vi bruker! I Kongsberg-saken var jo dette detaljert beskrevet i valgkomiteens innstilling, så det var jo offentlig kjent lenge før dette ble en sak i kontrollkomiteen. Alt som kom fram under høringen i kontrollkomiteen, sto å lese i innstillingen fra valgkomiteen. Komitélederen beskrev også at ikke var om Sandvik eller Bakke eller andre var spilt inn til valgkomiteen – problemet var at de kom så sent at de ikke ble vurdert på den samme grundige måten som andre. Vi har jo ikke sett det som veldig gunstig for disse selskapene å ha en bred, offentlig utlegning om hvilke kandidater som vurderes i valgkomiteen; det tror jeg virker begrensende på Men nå ser vi at styremedlem Bakke selv har skrevet et brev til kontrollkomiteen hvor han beskriver at han var i et 1,5 times langt intervju før han ble foreslått som styremedlem i Telenor. Og vi ser også at representantene for valgkomiteene i høringene i kontrollkomiteen konstaterer at dette ble gjort på en god måte. Anundsen sa at dette ble gjort annerledes enn for de andre, men så svarer han på et spørsmål fra – jeg tror det var annerledes enn for de andre, men så svarer han på et spørsmål fra – jeg tror det var – Kolberg at han ikke har kjennskap til hvordan de andre ble vurdert. Det er interessant at komitélederen kan slå fast at Hallvard Bakke ble behandlet på en annen måte enn de andre, mens han på samme tid ikke har kjennskap til hvordan de andre ble behandlet. Du skal ikke ha hatt mange o-fagstimer før du skjønner at den logiske bristen er fullkommen når du ikke kan redegjøre for det. Det står ikke ett sted i innstillingen at det ble en annen og mindre grundig vurdering av styremedlemmet Bakke enn av de andre, og det hadde vært interessant om Anundsen her kunne bekrefte eller avkrefte at alle de andre som ble foreslått til styret i Telenor, var inne på intervju. Eller var det slik at det til og med var oppnevnt folk som ikke var inne på intervju?

Representantene Anundsen og Foss sier til NTB 22. oktober at vi tar «begge forbehold om at TV 2s fremstilling er riktig», men «i så fall er det uakseptabelt» og «meget alvorlig.» Og Siv Jensen, som Kolberg refererte, sier at dette «minner mistenkelig om korrupsjon og bestikkelser». Og hun sier at det «som har skjedd her, er altså at Arbeiderpartiet konstruerer en særordning til 195 000 kr i året». Nå viste det seg at Arbeiderpartiet overhodet ikke hadde konstruert noen særordning. Det kom veldig tydelig fram i høringen at det var valgkomiteen som fant ut at de ville honorere dette på denne måten, og at ikke engang det forslaget kom fra staten. Det er mulig at det som representanten Anundsen sier, var et bilde, men la meg si det slik at da har jeg lyst til å bruke det bildet – at dette er en «forsøpling» av en politisk debatt. Og det kan jeg si, for det er sagt utenfor denne sal. Hadde det vært i denne sal disse tingene hadde blitt sagt, hadde det kanskje vært uparlamentarisk. Dette er en måte å argumentere på – med «korrupsjon», «mafialignende tilstander», «kamerat-ansettelse med milliongevinst» – som overhodet ikke blir reflektert i innstillingen. Hvis det er én avsløring gjennom hele denne saken, så er det at ingenting av disse grove påstandene kunne dokumenteres på en slik måte at det framgår av innstillingen! For det er jo garantert sikkert at hvis de hadde hatt et fnugg til å kunne bygge opp under dette, så måtte de jo ha skrevet det i innstillingen. Det er mulig at det er blitt slik at Høyre og Fremskrittspartiet har lært så mye av sine søsterpartier i USA og Storbritannia, at dette er måten å drive debatt på – å komme med påstander utenfor denne sal, på sitt eget eller i medier og skape mest mulig blest om det, og så, når man må dokumentere ting i denne sal, overhodet ikke følger opp ordene i innstillingen. For nå er jo selvsagt pressebenken tom, nå som man har oppnådd det man ønsker gjennom disse oppslagene – unnskyld Geir Moen: Pressebenken er ikke helt tom, men nesten tom. Man har oppnådd det man ønsket med de utspillene og de angrepene man vi kommer til å stå opp og forsvare det statlige eierskapet, vi kommer til å stå opp og forsvare et aktivt statlig eierskap, vi kommer til å bruke den innflytelsen vi har som en stor eier til å velge styremedlemmer som vi mener best ivaretar våre, fellesskapets, interesser med eierskapet – uansett om det er langsiktig industriutvikling i stedet for kortsiktig spekulasjon, om det er arbeidsplasser og næringsutvikling i Norge og ute, om det er moderasjon i lederlønninger og avlønninger til dem som er på toppen, eller om det er andre sider ved selskapets drift, og selvsagt mest av alt: en god verdiskaping, norsk forankret eierskap Jeg konstaterer at regjeringspartiene har vært skeptiske til å ha høring og sak, men for meg personlig var det en lykke at det ble sak, fordi særlig Høyre og Fremskrittspartiet fullstendig mangler dokumentasjon for de grove påstandene de har kommet med i media, og det er godt at det er dokumentert i et stortingsdokument – i Innst. 209 S. Presidenten må gjøre oppmerksom på at begrepet «forsøpling» ikke er et parlamentarisk uttrykk, selv om det brukes for å karakterisere debatter som har foregått utenfor stortingssalen. Det blir anledning til replikkordskifte.

Men det jeg vil spørre statsråden om, er: På bakgrunn av hans opptreden overfor tidligere styreleder i Telenor, Norvik, som under høringen karakteriserte statsrådens opptreden som et klart brudd på statens

Det er altså fellesskapet, staten, som eier 54 pst. i Telenor, eller 100 pst. i Entra, eller 50 pst. i Kongsberg Gruppen. Det er ikke Kongsberg Gruppen eller Telenor eller Entra som eier staten. Og bare det å ha en forestilling om at den største eieren kan overkjøre en valgkomité er altså en grunnleggende misforståelse av dette ansvarsforholdet.

om man skulle kjøre parallelt – altså en parallell prosess, gjerne med kvalitetssikring, gjerne med bruk av internasjonale konsulenter, osv. Er det umulig for staten faktisk å gjøre annet enn å snuble i denne prosessen? Kan man ikke kjøre parallelt, og er ikke det også forenlig med demokratiet? Det er jo det som skjer. Vi har en stor stab i som kontinuerlig jobber med å finne og vurdere gode kandidater, med å spille inn navn til valgkomiteene og med å prøve å få til så gode styrer som mulig. Men vi har også rett til å si at vi ikke er fornøyd med den ene eller andre løsningen, helt til prosessen er i mål. Det har sågar hendt – det er ikke heldig – at staten har hatt en annen mening etter at valgkomiteens innstilling er offentlig publisert. Det har ikke skjedd i min tid, og ikke i Næringsdepartementet, men i et annet departement i tidligere tider. Det er ikke heldig. Vi bør ha så mye enstemmighet som vi kan få til, men vi har en suveren rett til å ivareta eiers interesser. Slik er det i private selskaper, slik er det med statlige selskaper, og det kan ikke være noen forskjell på den myndigheten vi som fellesskapseier har, fra hva en privat eier har. Da vil jeg bare konstatere at hvis det statsråden nå sier, er det vanlige, har iallfall kontrollkomiteen lyktes med å finne frem til to eksempler, i to konkrete selskaper, på at det ikke har skjedd slik. Det kom for sent, og det kom etter at nominasjons- eller valgkomiteen de facto – ikke formelt, men de facto – hadde avsluttet sitt arbeid. Ved utpekingen av f.eks. Hallvard Bakke hadde nominasjonskomiteen altså hatt møter i over åtte måneder – 23 møter – for å finne kandidater. Etter at den prosessen var avsluttet, spilte departementet inn – som siste ord i sin debatt – navnet Hallvard Bakke, som ikke ble utsatt for prøving i

hele referatet fra høringen. Nå sier representanten Foss at Bakke var utsatt for en annen og da tydelig lettere veiing, prøving og vurdering enn de andre. Nå har Bakke gjort oppmerksom på at han har vært intervjuet i en og en halv time i komiteen, og jeg tror også komiteen sier at de gjennomførte dette på hva man mente var en forsvarlig måte. kan stille spørsmål til representanten, men det ville vært veldig fint om han kunne klargjøre hvor i denne innstillingen, i dette referatet, det står at de andre som ble valgt til Telenor-styret, har blitt utsatt for en større og grundigere vurdering enn det Bakke har blitt utsatt for. Det er jo det Anundsen også framhever her, og som Foss nå gjentar. Det gjentas og gjentas og gjentas, men hvor står det i referatet fra

Men etter at det ble avslått, kom altså innspillet om at da måtte de iallfall ta Hallvard Bakke. Den som da kan påstå noe annet etter denne beskrivelsen av prosessen, som er godt gjengitt fra høringen – alt som ble sagt i høringen, står altså trykket i dokumentet – må befinne seg på en annen planet. Han kom på overtid, og han kom inn bakveien.

det er hovedporten inn i en valgkomité. Men igjen: Det står altså ikke et eneste sted her at de andre som ble valgt til det styret, har blitt utsatt for en grundigere prosess enn det Hallvard Bakke har blitt utsatt for. Så hele premisset for denne kritikken – som uansett er himmelvidt unna kameraderi og korrupsjon og mafiatilstander og hva det nå er særlig Fremskrittspartiet har fremmet med sitt billedlige språk, som det nå heter, ved andre anledninger – står der rett og slett ikke. Det er, i hvert fall etter min kjennskap, rett og slett feil. Så dette må opposisjonen på en eller annen måte dokumentere, for det er jo hovedsaken i hele kritikken.

at en næringsminister ikke ser forskjellen på en prosess hvor kandidater som skal sitte sammen i et styre, er med i vurderingen blant 60–70 kandidater hvor de ulikes kompetanse blir vurdert opp mot hverandre for å sikre et optimalt sammensatt styre, og det å komme inn med innspill til navn etter at hele den prosessen er omme. Jeg synes det er uforståelig at ministeren ikke forstår det. Jeg synes også det er ganske arrogant å stå på Stortingets talerstol og hevde at det ikke står noe om dette i innstillingen, og heller ikke i referatet. Jeg har da lyst til å henlede oppmerksomheten på innstillingen og på referatet fra kontrollhøringen, side 8. Der står det – og jeg må dessverre sitere, etter den runden statsråden nå har hatt fra talerstolen – at jeg stilte følgende spørsmål

Norvik svarer: «Ja, i prosessen er det jo unormalt, men timingen gjorde det vel umulig.» Jeg synes det er ganske spesielt, etter den tiraden vi nå har fått fra statsråden, at vi så enkelt kan dokumentere at det han sier, er feil. Så legger riktignok Norvik til at han for øvrig var i Frankrike, og at «det var vel ikke egnet å bringe meg tilbake fra Frankrike». Men det å hevde at dette ikke er omtalt av relevante personer, er altså direkte feil, hvilket er tilfellet med flere av de tingene som er blitt påpekt fra Arbeiderpartiets representanter fra denne talerstolen i dag. Det er også ganske snodig at næringsministeren tviholder på å forsvare en løsning som verken han selv eller Kongsberg Gruppens nominasjonskomité noen gang tidligere har vært vitne til, nemlig en konstruksjon hvor en i et mellomvalgår velger et varamedlem med full styregodtgjørelse, men uten møteplikt og uten styreansvar. Statsråden forsøker fra denne talerstol å fremstille det som om det dukket opp i hodene på valgkomiteen i Kongsberg Gruppen.

på mange måter har vært ganske god. Den har dreid seg om veldig mange ulike ting. Jeg synes også det er på grensen til arrogant, hvis jeg har lov til å si det fra Stortingets talerstol, når statsråden fremstiller det som om det bare er Høyre og Fremskrittspartiet som står bak denne kritikken. Delvis er det riktig. Men det kommer altså frem i innstillingen, på flere punkter, ganske alvorlig kritikk som en samlet opposisjon står bak, som er et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen. konstitusjonskomiteen. Det er et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen som mener at disse sakene har avdekket svakheter som gjør at man må gå igjennom departementets arbeid på denne fronten. Jeg håper at representanten Giske lyttet nøye til replikkvekslingen mellom representanten Der har han noe å lære. Ikke lenger representanten Giske, men faktisk statsråd Giske er neste taler.

og bestikkelser» og at «Arbeiderpartiet konstruerer en særordning til 195.000 kr i året», hvilket er påstander så fjernt fra det som står i denne innstillingen det er mulig å komme – har blitt til en debatt om hvorvidt styreleder Harald Norvik har truffet alle de eventuelt nye styremedlemmene før innstilling ble avgitt. Det står ganske klart i det samme referatet Anundsen viste til, at Harald Norvik gjorde oppmerksom på følgende: «Jeg var ikke med i valgkomiteen, jeg var jo styreleder.» Det sa Harald Norvik. Norvik. Det som er poenget her, er jo om valgkomiteen har fått lov til å foreta en vurdering av de ulike kandidatene. Det er jo ikke styrelederen som foretar den vurderingen. Det er fullstendig skivebom i forhold til hvilke organer som har hvilket ansvar i et selskap. Det er valgkomiteen som vurderer de ulike Så er det ofte vanlig praksis at styreleder får anledning til å møte de nye styremedlemmene. Men det er ikke styreleder som innstiller på styre i et selskap. Hvis lederen i kontrollkomiteen tror det er slik, skjønner jeg jo at det blir kontrollsak av spørsmål rundt eierskapsforvaltning, for det er en fullstendig misforståelse av hvem som har hvilken rolle. Det hadde vært fint om lederen i kontrollkomiteen – som så vidt jeg vet også er utdannet jurist – kan forklare hvordan styrelederen skal være den som innstiller på styre i et stort selskap. Så til dette Alexandra Morris-sitatet. Hun sier på side 19: vet jeg ikke helt hva jeg skal svare på – du spurte om så mye.» Anundsen stiller like etterpå følgende spørsmål: «Kolberg prøver å få dette til å framstå som om dette ikke er noe press, at dette er noe dere gjør av fri vilje.» Og han sier videre: «at dette egentlig er tatt fra deres hoder», altså forslaget om Flåthen. Og videre: «er det en riktig beskrivelse Men det står jo i innstillingen til valgkomiteen at forslaget kom fra staten. Så det Morris svarer på, var: Er det forslaget om Flåthen tatt fra egne hoder? Nei, det er det ikke, men det har vært offentlig kjent i et år at det er slik. Det står i innstillingen til Kongsberg Gruppen at dette forslaget kom fra staten. Så Alexandra Morris svarer helt riktig at dette forslaget kom fra oss. Også det er helt skivebom i forhold til hva Fremskrittspartiet har drevet med. Fremskrittspartiet har systematisk i 50 år angrepet det statlige eierskapet. Det har vært ett av grunnlagene for det partiet å avvikle eller nedbygge fellesskapets eierskap, ikke bare til statlige selskaper, men også langt inn i velferdssektoren. Vi skal stå opp mot den kampen uansett hvilken form den tar. Men nå tar den en form som knapt kan dokumenteres, med en ordbruk som verken hører hjemme i stortingssalen eller ellers. Det blir replikkordskifte. Det siste er jeg enig med statsråden i. Det er det han som står for, og jeg er skremt over vinklingen til

Det skal også bli interessant å se hvordan referatet blir skrevet her, når man skal gå igjennom og sjekke sitatene. Når man tar litt delvis sitat og litt for egen regning, tenker jeg at det blir ganske spennende. Jeg har aldri sagt at styreleder innstiller til valg av styret. Dette er ting som statsråden tar fra eget hode. Jeg er godt kjent med de prosessene som går forut. Det som var diskusjonen, var om den sist innspilte personen hadde gått gjennom de samme prosessene, til de samme utvelgelseskriteriene som de andre styrerepresentantene.

benkeforslag. Nå skjønner jeg at Anundsen fossror fra det han sier. Jeg spør: Hvor står det at de ulike styremedlemmene, Hallvard Bakke spesielt, ble vurdert på en annen måte fram mot valget? Da henviser man til at Harald Norvik ikke hadde fått treffe ham. Men Harald Norvik sitter ikke i valgkomiteen. Da gjenstår spørsmålet: Hvordan kan Anundsen underbygge påstanden om at de siste styremedlemmene, som kom inn i en fase som er sen – og slik bør det ikke være – ble vurdert på en dårligere måte enn de andre? Hvor står det i referatet – bortsett fra at han ikke fikk møte Ja, nå er det representanten Anundsen som har replikk på statsråden, men representanten Anundsen har bedt om en replikk til, så det vil være mulig å svare, dersom han ønsker det. Dette utvikler seg på en ganske skremmende måte, etter min oppfatning. Statsråden legger vekt på de tingene han selv ønsker, tar ting ut av en sammenheng og bare lager en å lese dette referatet etterpå, kan bli ganske spennende. Når jeg sier at synspunkter fra største eier er et benkeforslag, er jo det riktig, fordi prosessen frem til utvelgelsen i nominasjonskomiteen var ferdig. Staten har en egen representant i nominasjonskomiteen og kunne ha kommet med de innspillene, slik at vedkommende ville bli vurdert på samme måte som alle de andre representantene. Det ble vurdert 60–70 stykker. De ble kontrollert i forhold til hverandre for å sikre at de hadde den optimale kompetansen for selskapet, nettopp fordi det er valgkomiteens oppdrag å sikre en sammensetning som er best mulig for selskapet. Når hele denne prosessen – denne vektingen mellom ulike kandidater – er over, da sier statsråden: Bytt ut en av jeg er ikke interessert i hvem, og erstatt vedkommende med en annen. At det kan kalles for noe annet enn uprofesjonell eierstyring, forstår ikke jeg! Nesten alt det representanten Anundsen sier, er feil. Han må snart begynne å underbygge de påstandene han kommer med. Hvor står det i referatet fra denne høringen at de ulike styremedlemmene som ble foreslått

han ble foreslått til styret. Mitt poeng er veldig relevant. Det er at det Anundsen sier fra talerstolen, ikke er dokumentert i høringen. Han sier at det her ble gjort en annen vurdering av noen opp mot andre. Det har han rett og slett ikke grunnlag for – i hvert fall ikke i den høringen som er referert i det dokumentet som jeg står med her. Det er mulig at jeg er veldig keitete til å formulere meg, så jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som overhodet mulig. I dag holder det ikke at du er kvalifisert til å sitte i et styre i et internasjonalt selskap. Du må ha en kompetanse som kompletterer de øvrige medlemmene av styret. Når valgkomiteen skal sette sammen et sånt styre, går man igjennom de ulike delene som gjør at de konkrete menneskene – sammen passer inn i et styre. Det er en viktig del av silingen frem til komiteens innstilling. Det er etter denne silingen, etter disse vurderingene, at statsråden har kommet med innspill på et navn. Hvorfor er det slik at statsråden insisterer på en snarvei inn i de styrerommene? Kunne han ikke gjort det med en gang, sånn at den kandidaten kunne vært vurdert opp mot den andre kompetansen til de andre styremedlemmene i styret, i tråd med det som er vanlig praksis?

Med håp om at denne debatten kanskje kan ha litt lavere temperatur enn den debatten vi akkurat har lagt bak oss, har jeg lyst til å benytte anledningen til å få belyst hvordan vi skal ta vare på noe av det mest verdifulle vi har, nemlig barna i vårt samfunn. Det handler om hvordan vi ivaretar de barna som kanskje er i en av sine mest sårbare og utsatte situasjoner. Det handler om at vi skal ha et velferdssamfunn som er best for dem som trenger det mest. Når våre nærmeste blir alvorlig syke, vil de fleste av oss oppleve bekymring og uro. Når den som er pårørende, er et barn kan redsel og utrygghet bli overveldende. Noen ganger blir rollene snudd opp ned, og det er barna som blir foreldre til sine foreldre. Barn i minoritetsfamilier opplever at de må være tolker og kontaktpersoner mot det norske hjelpeapparatet når mamma og pappa ikke snakker norsk. Det er spesielt vanskelig når foreldre eller søsken er alvorlig syke, og det er mange og alvorlige samtaler. Det å møte barn eller tenåringer som har vært dem som har måttet formidle til sine foreldre at de har alvorlig – kanskje dødelige – sykdommer, gir inntrykk. I sånne situasjoner er det ofte slik at man sier at barna er de svakeste blant oss, men noen av disse barna som er pårørende, er blant de sterkeste. De bærer voksenverdenens bekymringer og ansvar på sine skuldre, og rett og slett blir mange av dem for sterke. Vi vet at dette kommer tilbake igjen i voksenlivet. Vi vet at mange av dem som har opplevd at foreldre har hatt rusproblemer, foreldre har hatt psykiske problemer, men også å få problemer i voksen alder ved at de har måttet ta så mye ansvar. Det er viktig at vi slår fast at barn skal få lov til å være barn også når mamma og pappa blir syke – og også når mor og far ikke klarer å snakke norsk. Det er vårt ansvar å sørge for at vi har et offentlig system som faktisk fungerer sånn. Det er vårt ansvar å sørge for at disse barna ikke må bære så tungt, og det er vårt ansvar å etablere det Men det første vi må starte med, er rett og slett å se disse barna. Det har vært en utfordring. I mange år har vi ikke innenfor helsevesenet hatt en politikk for pårørende, særlig ikke en politikk for barn som pårørende. For å møte disse utfordringene har bl.a. Høyre i sitt alternative statsbudsjett foreslått å øke bevilgningen til de barnefaglig ansvarlige helseforetakene for å sikre bedre oppfølging Det forrige barneombudet sa engang at det er de enkleste og mest banale ting som ikke blir gjort for å sikre barn en god barndom i vårt samfunn. For eksempel: Når foreldre er syke eller satt ut av spill på en annen måte, trenger barna at vi som samfunn er den storfamilien de har behov for. Vi lever ikke lenger i den tiden da bestemor eller bestefar var på andre siden av tunet. Avstandene er større, hjelpen trengs på en annen måte. Mange gode fagfolk har sett og tatt vare på barn som pårørende lenge før det på en måte ble en politisk sak. Det er faktisk sånn at vi har mange gode, bevisste ansatte, men vi vet at sykehus og offentlige tjenester er fragmenterte, lite koordinerte, og da detter også ofte barn som pårørende imellom. Vi må nok ta selvkritikk for at vi ikke har sett disse barna godt nok opp til nå og ikke tatt godt nok vare på dem. Men når vi først har erkjent den svikten, er vi også nødt til å gjøre tingene bedre. Derfor har vi de siste årene arbeidet med å tette hullene i sikkerhetsnettet vårt. Et av de viktigste tiltakene som er iverksatt, er å etablere Det er faktisk imponerende å se hvordan de har tatt utfordringen med å spre kunnskap om hvordan vi kan ivareta barn som pårørende. De formidler kunnskap og gode eksempler til dem som møter barn som pårørende i sitt daglige arbeid. De gir mange av de profesjonelle voksne et verktøy som gjør at de kan ta bedre vare på barna. så mye at man kanskje bør begrense seg litt – det er jo egentlig et ganske godt skussmål. Tittelen på evalueringen av BarnsBeste er et sitat fra medarbeiderne: «Vi spør ikke, vi bare gjør». Det kunne kanskje vært et ideal også i denne sal, at vi gjorde mer enn vi spurte. Det viser seg, når erfaringene med BarnsBeste kommer frem, at det er lite systematisk forskningsbasert kunnskap om barn som pårørende. Vi har kanskje i en periode sett på barn som pårørende når det gjelder rus og psykiatri, men på andre områder har vi ikke vært like flinke. Heldigvis har f.eks. Kreftforeningen tatt et initiativ overfor dette og jobber nå systematisk mye bedre med barn som pårørende i en kreftsituasjon. Det er fortsatt sånn at det å få en kreftdiagnose er en diagnose som slår hardt inn. Her har man altså etablert bedre modeller. Så er det innført krav om barneansvarlig personell i spesialisthelsetjenesten, Barneansvarlig er et systemansvar som institusjonene er pålagt, og det er et lederansvar å sikre at de som skal utøve ansvaret, har nødvendig kapasitet, kompetanse og tid. Vi kan rose oss selv med at vi er det eneste nordiske landet som har lovpålagte ordninger med

over hva som er barneansvarliges rolle i forhold til andre behandlere. De peker videre på at det er et problem at barneansvarlige ikke er blitt koblet direkte mot pasient og pårørende. De aller fleste møter mellom pasient, pårørende, pleier og behandler skjer uten at barneansvarlige er involvert. Tidspress og produksjonskrav har innvirkning på det barnefokuserte arbeidet. Derfor kan det fortsatt bli tilfeldig og usystematisk. Så det er altså et ønske om større systemer og retningslinjer. Det andre temaet som belyses i denne interpellasjonen, er det som særlig minoritetsbarn blir utsatt for, nemlig det faktum at vi har mangel på tolker i vårt samfunn – og enda mindre bruk av de tolkene som finnes, innenfor vårt helsevesen. Jeg vet at representanten Lise Christoffersen på landsmøtet i Arbeiderpartiet i 2011 fikk gjennomslag for forbud mot at barn skal brukes som tolk i offentlig sektor. I 2012 fulgte Aftenposten opp for å høre hvordan det hadde gått med det. Jeg siterer fra oppslaget: «Mindreårige brukes som tolker av fastleger, lærere, Nav og i saker der barn er pårørende til straffedømte.» Selv om Arbeiderpartiet foreslo et tolkeforbud, er lite gjort. Jeg har i hvert fall tenkt å gi min støtte til Lise Christoffersens initiativ og si at dette må vi få gjort noe mer med. Det dreier seg om å ha fokus på og ha tilgjengelig god nok kompetanse. Vi kan ikke fortsette å ha en situasjon hvor barn brukes i de vanskeligste situasjoner, og er dem som skal formidle det tunge og vanskelige til sine foreldre. Jeg håper derfor at helseministeren i sitt innlegg vil adressere både spørsmålet om hvordan vi styrker den barnefaglige kompetansen i helseforetakene og sørger for at vi unngår å sette barn i en så vanskelig situasjon, og hvordan vi kan sørge for at barn av minoritetsforeldre er sikret mot at det er dem som må formidle de vanskeligste beskjedene som foreldre får i vårt samfunn. Jeg vil først få takke representanten Solberg for

familiemedlemmer? Svaret er nei. Barn skal ikke være tolker for syke familiemedlemmer. Fra 2013 har jeg gjennom den såkalte foretaksprotokollen pålagt sykehusene å sørge for at ingen barn under 18 år brukes som tolk i spesialisthelsetjenesten. Dette er også slått fast i stortingsmeldingen Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk som vi skal debattere senere i kveld. Dette er uavhengig av foreldres eller andre slektningers diagnose. De kan unntaksvis brukes som tolk i akutte sitasjoner hvis det er fare for liv og helse. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene om kommunikasjon via tolk som frarår bruk av barn som tolk. En arbeidsgruppe ledet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet slår fast at barn bør ha krav på en særskilt beskyttelse mot å bli brukt som tolk i offentlig sektor og drøfter innføring av et forbud. Rapporten følges opp av den ansvarlige minister. Så det skjer en god del i oppfølgingen av denne saken. Drøftingen av helseforetakenes ressurser hører hjemme i en budsjettdebatt. I dag ønsker jeg å informere Stortinget om tiltak for barn som pårørende iverksatt av regjeringen. Jeg vil også trekke opp enkelte fremtidige perspektiver. Helsetjenestens oppgave er å behandle pasienter. Mange pasienter har mindreårige barn som berøres av foreldrenes sykdom. Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til familiens livssituasjon. Soria Moria-erklæringen slår fast at vi skal arbeide for at barn med psykisk syke og rusavhengige foreldre får oppfølging og hjelp. Vi har arbeidet bredt for å nå det målet og har utvidet det til å gjelde alle barn med syke foreldre. Barn av psykisk syke, rusavhengige og alvorlig syke og skadde foreldre er alle utsatte og sårbare grupper, og det var godt beskrevet av interpellanten. Nye tiltak er iverksatt i takt med Stortingets bevilgninger. Disse er mer enn doblet, fra 15 mill. kr i 2007 til 31 mill. kr i år. Fra 2012 til 2013 økte de med ytterligere 10 mill. kr – en fordobling sammenliknet med Høyres alternative budsjettforslag om 5 mill. kr, hvis det skal være en referanse. Gjennomgangen som interpellanten refererer til, bygger på en undersøkelse fra 2010. Samme år fikk barn som pårørende en sterkere rettsstilling gjennom endringer i helsepersonelloven og Barna skal få bedre oppfølging når foreldrene mottar helsehjelp, uavhengig av hvor i landet de bor. Alt helsepersonell har plikt til å bidra til å ivareta barnas behov. Helsepersonellet skal ikke overta ansvaret fra foreldrene. Foreldre skal selv, så langt det lar seg gjøre, ivareta omsorgen for barn. Helsepersonellets oppgaver er å avklare om pasienten har barn, om noen tar vare på barna, vurdere om barna har behov for oppfølging, tilby pasienten informasjon og veiledning og bistå med å gi barnet informasjon eller annen oppfølging dersom foreldrene ønsker det. Sykehusene og andre deler av spesialisthelsetjenesten skal ha barneansvarlig personell med ansvar for å koordinere og fremme arbeidet med pasientens barn – med andre ord et betydelig løft på dette området. Jeg er glad for å kunne informere Stortinget om et omfattende arbeid på dette feltet i alle helseregioner. Fra å være «usynlige barn» før 2007, er barn som pårørende satt på dagsordenen over hele landet. Dette har skapt bevissthet om og interesse for å arbeide forebyggende med barn som har syke foreldre. Oppfølging av barna gir positive ringvirkninger for foreldrene når de mottar behandling. Bekymringene blir mindre, og de føler seg ivaretatt. Her skal det gis stor honnør til sykehus som også inkluderer oppfølging av søsken til alvorlig syke barn. Alle offentlige sykehus og andre helseinstitusjoner med avtale med sykehus, også rusinstitusjoner, har barneansvarlige. Arbeidet med å opprette barneansvarlige ved private rehabiliteringsinstitusjoner er i gang. Så må vi selvfølgelig få dette systemet til å virke, slik at folk med dette ansvaret tar det på alvor. Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å se barna tidlig, og de har erfaring med å hjelpe. Allerede dyktige og engasjerte helsepersonell har fått en rekke hjelpemidler gjennom kompetansenettverk, kurs og seminarer, rundskriv, e-læringsprogrammer, informasjonsmateriell til barn, nettsider, behandlingslinjer og faglitteratur. Dette betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre, og derfor må arbeidet videreutvikles. Vi skal sikre enda bedre spredning av kompetanse i hele helsetjenesten. Samhandlingsreformen omfatter barn som pårørende. Samarbeidsavtalene mellom kommuner og sykehus omtaler rutiner for å ivareta mindreårige barn i forbindelse med innleggelse, opphold og Vårt største sykehus, Oslo Universitetssykehus, har opprettet et råd for barn som pårørende. Samhandlingsperspektivet og felles ansvar for sykehus og kommune for å ivareta barna er nedfelt i det mandatet. En god barndom vil vare i generasjoner. Det gjør også en dårlig barndom. Levekår i oppveksten har stor betydning for barnas utviklingsmuligheter. Vi må derfor fange opp barn med rusavhengige og psykisk syke foreldre tidlig og sette inn tiltak for å hindre at barna selv utvikler problemer. Barn som har vært utsatt for vold, overgrep, omsorgssvikt eller har rusavhengige foreldre, har høy sannsynlighet for selv å utvikle tilsvarende problemer. Det er en tragisk realitet. Vi må øke kunnskapen om barna, og vi må styrke kunnskapen om forebygging av rusmiddelskader hos barn. I 2007 opprettet vi to forsøk ved sykehus i Nord-Trøndelag og Vestre Viken med lavterskeltiltak for å følge opp gravide og mødre med rusavhengighet og psykiske problemer. Barna følges opp fra fødsel til skolealder i nært samarbeid med andre tjenester. Prosjektene fikk positive evalueringer og ble permanente fra 2013. Tiltakene bygger bro mellom ulike tjenestetilbud og fungerer som støtte for familiene. Brukerne synes å være fornøyde. To tilsvarende tiltak blir etablert i Helse Vest og Helse Nord i løpet av året. Vi ønsker å få på plass denne typen lavterskeltiltak over hele landet i løpet av noen år. Jeg er tilfreds med at en enstemmig helse- og omsorgskomité i innstillingen til rusmeldingen støtter arbeidet med å etablere flere slike tiltak. Så jeg vil si at vi er kommet langt. Vi har likevel behov Barn som pårørende er fra 2011 et strategisk forskningsområde i Norges forskningsråd. Fire store forskningsprosjekter skal gi nye svar. Vi skal få kunnskap om møtet mellom fastleger og barn som pårørende. Vi skal få mer kunnskap om tidlig intervensjon, deltakelse og kompetanseutvikling rundt barn av alvorlig syke og rusavhengige foreldre. Vi skal få kunnskap om hvordan sosiale nettverk kan spille en rolle i familier hvor en forelder er eller har vært rammet av kreft. Vi skal få kunnskap om omfanget av barn med alvorlig syke eller rusavhengige foreldre: Hvem er de, hvilke behov har de, hvilken hjelp får de, og hvilket utbytte har de av hjelpen de får? Effekten av lovendringene som styrker barns rettsstilling, skal dokumenteres. Seks sykehus med stor geografisk spredning deltar i denne forskningen. En landsomfattende levekårsundersøkelse om barn og unge med rusavhengige foreldre skal gi kunnskap om barn og unges erfaringer og egenopplevelser. Hvordan mestrer disse barna hverdagen med sine rusavhengige foreldre? Hvilke rusvaner har barna? Når debuterer de selv med rusmidler? Hvordan opplever de eventuell kontakt med hjelpeapparatet? Dette er viktige spørsmål vi trenger svar på for å sette inn flere målrettede tiltak fremover. Tre organisasjoner, BAR – Barn av rusmisbrukere Voksne for Barn og Landsforeningen for barnevernsbarn, gir innspill til og følger undersøkelsen. Ambisjonen er klar: Vi skal hindre at rusmiddelproblemer går i arv. Avslutningsvis: En gang i året har jeg gleden av å møte brukerne av helsetjenesten gjennom et eget kontaktforum. Disse møtene gir nyttige innspill i arbeidet med å skape bedre tjenester, og de understreker brukerperspektivet som vi har vektlagt i flere sentrale dokumenter. Så er det slik at FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å utvikle seg, til å bli hørt og sist, men ikke minst, til å uttrykke egne ønsker. Stortingsmeldingen om god kvalitet og trygge tjenester, lagt fram før jul, staker ut kursen for en ny brukerrolle. Denne rollen må også omfatte barn. Barn med syke foreldre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt. De er eksperter på egne liv. Derfor må vi i større grad lytte til deres erfaringer i en form som er tilpasset barn. vi i større grad lytte til deres erfaringer i en form som er tilpasset barn. Jeg har et sterkt ønske om å lytte til dem, og vil derfor invitere barn til møter om dette temaet i de ulike delene i landet der vi følger det opp, slik at vi får erfaringer med tjenestene jeg har ansvaret for, og de har glede av.

Fortsatt er det hull og utfordringer. Det er nok sånn at det er et godt stykke igjen til alle sykehus har barnefaglige ansvarlige. I alle fall i de rapportene jeg får bl.a. fra Kreftforeningen, ser vi at selv om sykehusene nå skal ha utpekt barnefaglige ansvarlige, er det mange sykehus som fortsatt ikke har fått på plass dette. Og det er, som sagt, fortsatt et spørsmål om uavklart ansvar knyttet til dette. Det gjør selvfølgelig også at hullet det å få hjelp for pårørende i tilknytning til et sykehusopphold og utflyttingen til kommunene blir en utfordring. Nettopp dette er et ganske sårbart område – oppfølgingen av barn som er hjemme, og som trenger hjelp hjemme, ikke minst i det perspektivet at vi nå har mer poliklinisk behandling innenfor områder som rus og psykiatri, som jo er en forflytning av behandlingen for disse. jeg ikke hørte så mye om, var hvilken strategi statsråden har for spørsmålet om tolker og tolkevirksomheten. Dette er et tema som har vart i mange år. Det er et viktig minoritetspolitisk tema. Det er et spørsmål som dreier seg om å løfte kvaliteten på tolketjenesten i Norge, sørge for at den er tilgjengelig, men også en veldig klar beskjed om at man ikke skal bruke mindreårige som tolker. Jeg vil gjerne høre hva statsråden mener om mulighetene for å gjennomføre det som Lise Christoffersen stilte seg i spissen for å få til et vedtak om, nemlig at det skulle være forbud mot å bruke barn som tolker. Representanten Solberg sier at det fortsatt er

Men det vi ser når vi går igjennom erfaringene, er at det er en betydelig utvikling og en økt bevissthet. Derfor skal vi glede oss over det, og være glad for at det heller ikke i denne salen, tror jeg, er noen uenighet om at vi ønsker at dette også skal virke i praksis. Når det gjelder strategi for tolking, har jeg i grunnen begrenset meg i dette svaret til interpellanten til å si at nei, barn skal ikke tolke. viktige. Så tror jeg vi må erkjenne, som jeg sa, at i akuttsituasjoner – og hva som er en akuttsituasjon kan jo variere – kan det hende at barn blir utsatt for at de må hjelpe til med oversettelse, men her må det være en bevissthet hos helsepersonell om når det går over i en situasjon hvor sykehuset skal ta over. Så forventer jeg, i lys av det oppdraget jeg har gitt til helseforetakene, at de skaffer seg den nødvendige tolkekompetansen som trengs for å kunne gjennomføre god pasientbehandling av alle som er til behandling i Norge. Også her tror jeg vi må erkjenne at det kan være noen glidende overganger. Jeg har i alle fall hørt historier om hvor dette fungerer veldig bra, og jeg har også hørt historier hvor det ikke er så bra som det burde være. Det får vi følge opp så godt vi kan, tilsynsmyndigheter og politiske myndigheter. Så er jeg også opptatt av at dette må videreføres i primærhelsetjenesten og i kommunene, hvor det er klart at mine virkemidler for å være sikker på at det blir ivaretatt på en god måte på alle fastlegekontorer og i alle deler av pleie- og omsorgstjenesten er mindre gode enn de er i forhold til spesialisthelsetjenesten. Da må vi bygge på den kunnskapen og det engasjementet jeg antar også finnes i Kommune-Norge, i dialogen med alt fra KS og til den enkelte kommune, for å få det til. Jeg tror at dette er et område hvor vi, som sagt, er enige, og hvor vi ønsker at barna skal bli beskyttet, og at deres foreldre, som trenger helsehjelp, skal få det på en god måte. Takk til interpellanten, som tar opp et viktig tema. Jeg synes helse- og omsorgsministeren redegjorde godt for hva som er gjort og hvilken retning dette arbeidet styres i. Jeg er Takk til interpellanten, som tar opp et viktig tema. Jeg synes helse- og omsorgsministeren redegjorde godt for hva som er gjort og hvilken retning dette arbeidet styres i. Jeg er veldig fornøyd med den retningen arbeidet tar. Representanten Solbergs utålmodighet deler jeg. Når vi hører det som statsråden sier, og de signalene han gir, tror jeg deler jeg. Når vi hører det som statsråden sier, og de signalene han gir, tror jeg dette deles av mange. Den utfordringen som representanten Solberg tok opp for å få til god samhandling mellom de forskjellige nivåene, tenker jeg ikke bare dreier seg om at det skal overføres informasjon fra til kommunen, men det dreier seg ofte i like stor grad om informasjon mellom de forskjellige tjenesteapparatene internt i det kommunale systemet og også mellom skole, helsetjenesten og etater som driver både med barn og voksne. Så skiller vi

de mest sårbare gruppene i samfunnet vårt. Der er barn en av de mest sårbare gruppene. Så kan jeg si at i Kristiansand kommune har de gjort noe veldig spennende. Der har kommunen selv tatt initiativ til å opprette barnekontakter. I Nav i Kristiansand har Nav selv tatt initiativ til å opprette barnekontakter, og de har et godt samarbeid med BarnsBeste. Så må jeg si at jeg er veldig glad for at også barnekontakter nå er kommet inn i justissektoren. Justissektoren er det aller mest forsømte området når det gjelder å ivareta sårbare barn. Vi vet at 60 pst. av dem som sitter i fengsel har rusproblematikk. Det er opprettet rusmestringsenheter i fengslene, og det er veldig bra. Men vi vet at veldig mange av barna deres sliter tungt med at de ikke bare har en rusproblematikk å forholde seg til, de går også og bærer på tunge tabuer og skam, som de på en måte har for at de har foreldre som er innsatt. Derfor tror jeg at den satsingen en nå har lagt opp til for å få

og Nav er inne i fengslene. En må bruke den kompetansen som en nå har fått, til også å spre det glade budskapet inn i justissektoren, for det er et område som har mange barn. De er kanskje de mest usynlige, barna i den sektoren, men det er mange. De blir sjelden sett med den problematikken de bærer på. Først vil jeg takke interpellanten for å ta opp et svært viktig tema. Dette er

livserfaring. Vi skal forsøke å holde oss sterke. Vi kan som voksne som oftest lettere sette ord på ting, og vi vet hvor vi skal henvende oss. Hva da når barn opplever det samme? Ja, det kan vi bare tenke oss. Folkehelseinstituttet estimerte i 2011 at 260 000 barn har foreldre med en psykisk lidelse som kan gå ut over daglig fungering. Cirka 70 000 har foreldre med et alkoholmisbruk. I tillegg viser tall fra Kreftforeningen at 4 000 norske barn opplever kreftsykdom i nær familie hvert år. 800 barn opplever hvert år at en av foreldrene dør av kreft. Det er positivt at tiltakene for barn som pårørende er styrket, men vi vet at det fortsatt forekommer svikt. Barn skal ha en glad barndom, de er vår framtid. Derfor er det viktig at det settes inn nok ressurser for å hjelpe og støtte barn som opplever traumatiske og triste hendelser når mor eller far ikke lenger fungerer som foreldre og omsorgspersoner. Barneombudet har tidligere bl.a. tatt opp problemstillingen knyttet til at barn blir brukt som tolker for sine foreldre. Høsten 2010 skrev Barneombudet brev til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Noen faktaopplysninger og sitater fra brevet kommer her: Barn benyttes som tolk for sine foreldre i deler av Barn benyttes som tolk for sine foreldre i deler av offentlig sektor, og dette er svært negativt både for barnet og for foreldrenes sak. Saksbehandlere får ikke opplæring i bruk av tolk. Tolkene er for dårlig kvalifisert. Tilgangen på tolk er ustabil. Rutinene for bestilling av tolk er for dårlige. Personer som har behov for tolk, har med seg ukvalifiserte personer til å tolke. Barneombudet skrev: «Barneombudet ønsker at myndighetene vurderer å innføre et forbud mot å bruke barn som tolk i offentlig sektor. Dette vil hindre at barn settes i situasjoner der de får tilgang til informasjon de ikke burde hatt av hensyn til alder, forhold mellom foreldre og barn og barnets behov for beskyttelse.» Ombudet hadde også et ekspertmøte med ungdom som hadde egne erfaringer med å bli brukt som tolk for foreldre eller andre slektninger. Samtlige hadde blitt brukt som tolk i saker av til dels sensitiv art eller saker de ikke hadde noe med. Alle påpekte hvor negativt dette hadde vært for dem, og hvor utrolig viktig det er med gode og kvalifiserte tolker. Dette betyr at barn ikke bør og ikke skal brukes som tolk for sine foreldre – dette fordi de ikke er kvalifisert, og fordi de fortsatt må få lov til å være barn. Det er en altfor stor belastning og påkjenning for et barn å måtte gå igjennom noe slikt. Ved å bruke barn som tolk i helsevesenet kan man i verste fall risikere å sette liv og helse på spill. En undersøkelse viser til at hver tredje lege noen ganger eller ofte lar pasientens barn tolke for sine foreldre. Kreftforeningen mener at selv om det er avtalt tolk under møtet med foreldrene, kan det være at barna likevel må bistå sine foreldre i møte med det offentlige. Vi ser en økende trend der flere unge dropper ut av skolen. Felles for mange av disse er at de har eller har hatt vanskelige familiesituasjoner å forholde seg til – mange av disse nettopp fordi de ofte må være med sine foreldre og påta seg omsorgsoppgaver som ligger langt forventer av et barn. Dette er barn som må sette barndommen på vent, nettopp fordi de ofte må hjelpe sine foreldre i tillegg til at mange av disse barna må påta seg et langt større ansvar i og for familien. Det gjør vondt å vite at dette fortsatt foregår, og at det gjør det, er nesten uforståelig. Derfor må dette temaet løftes opp og prioriteres langt sterkere Vi har rett og slett ikke råd og tid til å vente lenger. Dette er barn som fortjener en langt bedre start på sine liv, der vi som samfunn må stille opp og sørge for at det finnes tolketjenester nok – også ved landets sykehus. Det finnes, men ikke i tilstrekkelig grad. Dette er dagens store helter som foreløpig ikke har blitt sett og tatt på alvor. Nå håper jeg på vegne av alle disse barna at det vises handling. Barn fortjener å være barn og ikke måtte sette barndommen på vent.

søsken. Lovverket om barn som pårørende ble innført i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven fra januar 2010, slik statsråden var inne på, men det er nok foreløpig for tidlig å ha en fullstendig oversikt over de erfaringene som er gjort. Men det er uansett sikkert at mye tungt ansvar hviler på barn som har psykisk syke foreldre, rusavhengige og somatisk syke foreldre. Vi har i den senere tid møtt mennesker med dødelige sykdommer som ALS og kreft, og hvor barn er pårørende og skal forholde seg til at far eller mor skal dø i nær fremtid. En slik situasjon må man ha stått oppe i for å forstå hva det Mange barn får god hjelp og oppfølging av barnepsykolog, gjennom helsestasjon og skole og andre voksne i familie eller vennekrets, men altfor mange får det ikke. Forskernettverket i BarnsBeste bidrar med mye kunnskap innenfor feltet barn som pårørende. De peker på de viktige utfordringene, og noe jeg har merket meg spesielt, er behovet for mer kompetanseutvikling og ressursinnsats i Spesialisthelsetjenesten har iverksatt ordning med barneansvarlig personell, og ved poliklinikkene og de somatiske avdelingene ved sykehusene arbeides det flere steder nå med å bygge opp kapasitet for å imøtekomme barnas behov når foreldre rammes av sykdom. Det forskernettverket peker spesielt på i boken Barn som pårørende, er manglende kompetanse og våkenhet overfor det samme behovet ute i primærhelsetjenesten. Det er jo ute i kommunene de aller fleste rusavhengige, psykisk syke og somatisk syke pasientene lever sine daglige liv. Det er blitt tydelig for meg at det er et stort behov for å bygge opp både kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten og ved helsestasjonene slik at barna det gjelder, barnehagen og skolen, også kan dra nytte av en slik kompetanse. Unge mennesker, spesielt i familier med minoritetsbakgrunn, tar et stort ansvar og har omsorgsoppgaver både for foreldre og for syke søsken. Det berører meg sterkt å lese forskernettverkets historier om unge jenter som gjennom flere år hadde tatt på seg store og tunge omsorgsoppgaver for søsken i familier med innvandrerbakgrunn. Helsepersonell og det kommunale tjenesteapparatet var klar over de tunge oppgavene, men hadde ikke informert godt nok om hvilke støtte- og avlastningsordninger som finnes og som kunne ha avhjulpet situasjonen. Det finnes ifølge BarnsBeste ingen studier om barn som pårørende i minoritetsfamilier i Norge. Dette er et område som må tas på største alvor, og som må komme mer i fokus og få mer ressurser i årene

Flere har pekt på behov for en oppbygging av det kommunale hjelpeapparatet – gjerne i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Psykologhjelp til barn som har foreldre med alvorlige diagnoser, er psykososial støtte som kan være avgjørende for å takle dagliglivets utfordringer, og ikke minst for å forberede barna på de utfordringer som kommer etter at en forelder er død, og gjennom sorg Høyre har foreslått fastpsykologer i kommunene. Det tror jeg ville kunne bidra til å styrke fagmiljøet og utvide kompetansen og kapasiteten i primærhelsetjenesten. I alle livskriser når sykdom eller ulykker rammer, rammes hele familien. I mange av disse familiene er det

og det tror jeg også er et perspektiv vi må ha med videre. I en bok som heter Mamma tar ikke lenger telefonen, beskriver en jente som heter hvordan det er å leve med en mor med en alvorlig kreftsykdom. Hun var ni år da moren fikk brystkreft. Hun skriver om hvordan hun holder masken overfor skolen, psykologen – som hun også fikk – og omgivelsene for å skåne mamma, og om angsten for at barnevernet skulle komme og ta henne bort, om angsten for å bli mobbet fordi fremdeles går historier om at kreft er smittsomt. Det er mange tusen barn som lever i en situasjon der foreldrene er syke i ulike sykdommer. Mange har trygge familier med mange omsorgspersoner, der det er mange man kan støtte seg på. Det er ikke slik at det bare var noe som fantes i gamle dager. Jeg tror kanskje ikke det var så greit å være unge da foreldrene var syke i gamle dager. Jeg tror det var mye verre da. Det er mange som har gode familier og mange å støtte seg på også i dag. Det er klart at noen kommer inn i rollen der man skal ta ansvar – som flere har sagt – for både forelderen og andre søsken, og kanskje i tillegg måtte være tolk, som er en helt uakseptabel rolle for et barn og for foreldrene, slik som det ble sagt. Men det er også mange andre instanser som er i kontakt med disse barna, det kan være barnehagene, skolene, skolefritidsordningene og helsesøstrene. Det er uhyre viktig at disse institusjonene er veldig oppmerksomme på dette. Jeg vet at Kreftforeningen har lagd en veileder til skolene – til lærerne – om hvordan de skal snakke med barn, hvordan de skal organisere et arbeid for å kunne ta imot barn som opplever ulike typer kriser. kriser. Det er nok forferdelig å ha en forelder som har en somatisk sykdom, men jeg tror nok det er vanskelig for oss helt å vurdere hvordan det slår inn når det handler om f.eks. rus for disse barna. Da blir det en ekstra skamdimensjon i det, for det er veldig vanskelig å snakke om.

Jeg har også lyst til å peke på noe av det likemannsarbeidet som en del ungdomsorganisasjoner organisert i Unge funksjonshemmede, driver. Det kan handle om støttefunksjoner mellom ungdom som er syke, men også for dem som er pårørende eller søsken til syke. Jeg tror det er uhyre viktig fordi likemannsarbeidet har en dimensjon i seg som profesjonell omsorg ikke kan erstatte. Vi var med komiteen i Nord-Trøndelag for ikke veldig lenge siden og besøkte det som er Ambulatoriet i Helse Midt-Norge. Det er et tilbud til rusutsatte familier, der barna er fra 0 år til 6 år. Den typen arbeid er også veldig viktig, for da kan man fange opp disse ungene veldig tidlig, sørge for at det er et nettverk rundt dem, og sørge for at man har den tilliten hos dem som i dette tilfellet har i dette tilfellet har rusproblemer, at helsevesenet og hjelpeapparatet faktisk er der for dem. Det er en fantastisk ordning der man bare kan ringe inn eller sende en SMS og få hjelp når det er som verst. Jeg tror at vi kommer utrolig mye lenger hvis vi klarer å gjøre det på denne måten. Alle skjønner dette når det gjelder et hjerteinfarkt, men hvis psykisk tung sykdom rammer brått, eller det handler om rus, er nok den akutte situasjonen for disse barna minst like skremmende. Da er det utrolig viktig at man vet at det finnes noen voksne det går an å henvende seg til. Takk til representanten Solberg som tar opp eit viktig tema. Barn er Takk til representanten Solberg som tar opp eit viktig tema. Barn er sårbare, og spesielt sårbare om foreldre eller andre nære pårørande med omsorgsansvar blir alvorleg sjuke. Vi må erkjenna at helsevesenet tidlegare ikkje har vore nok opptatt av barn som pårørande. Det har ikkje vore forstått som helsevesenet sitt primæransvar. Det har vore for tilfeldig når dette har blitt tatt opp, mange gonger har det sikkert gått fint sjølv om helsevesenet ikkje har engasjert seg. Andre har stilt opp og tatt ansvar – nær familie, naboar, helsesøster, skule eller barnehage har trått til og sytt for at barnet har fått den hjelpa som trengst. Men ikkje alltid, det er altfor mange historier om barn som lid ved foreldra sin sjukdom, foreldra sitt rusmisbruk, og som har opplevd stor omsorgssvikt. Omsorgsansvaret har gjerne blitt spegelvendt, det er barnet eller ungdommen som har blitt omsorgspersonen, det er barnet som t.d. må få foreldre i seng, som passar på at ho eller han tar rett medisin, eller ikkje rusar seg eller skadar seg. Slik skal ikkje eit barn ha det. I Noreg brukar vi mykje pengar på helsevesenet, både i sjukehus og i kommunane. Vi må kunne forventa at det profesjonaliserte helsevesenet tar ansvar for heile

Stortinget vedtok i 2009 endringar i helsepersonellova og lov om spesialisthelsetenester nettopp for å vareta behovet til mindreårige barn som pårørande. Helsepersonell har i dag plikt etter lova å bidra til informasjon og nødvendig oppfølging av mindreårige barn av pasient med psykisk sjukdom, rusmiddelavhengigheit eller alvorleg sjukdom. Lova er òg endra slik at teiepliktige opplysningar kan gis til samarbeidande personell så sant ikkje pasienten set seg imot det. I tillegg er alle helseinstitusjonar pålagd å ha tilstrekkeleg barneansvarleg personell med rett kompetanse. Helsedirektoratet har òg nyleg sendt ut rundskriv som omhandlar dei nye lovbestemmingane. Desse retningslinene slår fast at det skal vera låg terskel for at helsepersonell skal setja i gang undersøking om kva behov barn har for informasjon og oppfølging. Barn treng altså ikkje utvisa symptom før lova gjer seg gjeldande. Retningslinene slår òg fast at det i akutte situasjonar alltid må avklarast kven som tar seg av barnet eller barna, og om det trengst å etablera samarbeid med andre tenester og det lokale hjelpeapparatet. Det gjeld òg ved akutt somatisk sjukdom. Ofte kan det vera behov for at den andre forelderen må vareta omsorga i kortare eller lengre tid. Mi erfaring er at det ikkje er like enkelt. Eg vil ta opp ei personleg erfaring. Eg blei akutt sjuk og operert mens eg hadde svært små ungar. Eg opplevde det som veldig fortvilande at eg var så sjuk at eg ikkje klarte å ta meg av mine ungar heime, men eg fekk ingen hjelp av det offentlege til det. Vi måtte løysa det ved at mannen min tok ut ferie for å kunna ta seg av den minste. Så vil eg vera tydeleg på at det ikkje er slike tilfelle som mitt som er det største problemet, men det kan visa at når vi ikkje får det til i dei enkle tilfella, kan vi kanskje forstå at dei vanskelege tilfella ikkje blir behandla rett. rett. Dette handlar i all hovudsak om å sikra rettane for barn av rusmisbrukarar, foreldre med alvorleg psykisk sjukdom eller annan kronisk alvorleg sjukdom. Vi veit t.d. at det er mellom 50 000 og 150 000 barn i Noreg som lever saman med foreldre med eit risikofylt alkoholkonsum. Altfor mange av desse blir ikkje oppdaga når sjukdom og avhengigheit utviklar seg hos foreldra. Det blir òg gjerne kamuflert, nær familie veit ikkje om det.

fastlege, jordmor, helsesøster, skulehelseteneste – for når ein blir lagd inn på sjukehus, vaknar omgivnadene. Ein kan gå i årevis som ganske sjuk i kommunehelsetenesta utan at omgivnadene veit korleis det eigentleg står til med det barnet som lever i situasjonen. Så til slutt til debatten om at barn blir brukte som tolkar. Eg er glad for at helseministeren så kontant akseptera at barn må vera tolk for sine foreldre ved sjukdom. Det er eg heilt einig i. Så har eg lyst til å understreka at det er problematisk i det heile at familie er tolkar for sine nærmaste, om det er ein mann eller ein kjæraste, spesielt viss ein har mistanke om at det kan vera ein situasjon der det kan vera snakk om vald i nære

For det er jo sånn i en diskusjon rundt hva vi skal gjøre av forebygging, at kanskje det viktigste vi skal huske, er at barn bare har én barndom, og at hva som skjer i din barndom, er blant de tingene som avgjør om du har risikofaktorer for veldig mange av de problemene voksne har – det være seg psykiske problemer, tilbøyelighet til rus, eller bare å mestre sitt eget liv. Det at vi kan løfte vårt helsevesen kvalitativt for å se barna på en bedre måte, blir derfor utrolig viktig i et forebyggende perspektiv med tanke på andre ting som kan skje senere. Det er fortsatt mange veier å gå, for selv om det har vært et stort engasjement og regelverket er bedre på plass enn det har vært tidligere, er det nok betydelige forskjeller på hvor gode man er på å følge opp. Derfor er det viktig at man passer på at dette hensynet kommer inn også i nye strategier, og ikke bare blir et sideordnet spørsmål, men faktisk kommer inn i de vanlige tingene. I den grad Nav strategier for sine aktiviteter på de områdene hvor vi f.eks. nå skal få en ny kreftstrategi, er det viktig at vi også har dette perspektivet med – altså at vi gjennomgående passer på at barn får en plass. Min erfaring er at det må gjentas mange ganger for at vi skal oppleve at det skjer ute. Men så er det mange positive eksempler. Kreftforeningen har overfor meg valgt å trekke frem har overfor meg valgt å trekke frem Frogn kommune som et eksempel på et område hvor det gis systematisk og god bistand på tverrfaglig nivå. Det er fordi de har gode rutiner for å ta seg av barn av kreftsyke foreldre. Men evalueringen der sier bl.a. at det må lages rutiner på sykehusene

I mange år har rus og psykiatri vært de temaene som vi har stått sterkest på for, fordi det er stigmatiserende – blant disse er noen av de mest hjerteskjærende menneskelige historiene vi har sett om noen av de barna som har vokst opp i rusbelastede familier uten at storsamfunnet har sett dem. Men jeg har altså håp om å få gjennomført større kraft på dette: å sørge for at kompetansen på barn spres bedre, men også at vi passer på at vi ser barn, særlig i minoritetsmiljøer, som det er et underfokus på, eller som har mindre tilgjengelighet til mange av de normale løsningene vi ellers har, bedre, f.eks. når det gjelder tolkesituasjoner. Igjen takk til interpellanten, og takk for en god debatt. Innledningsvis har jeg lyst til, når vi

som ser menneskene, som lever tett på og plutselig blir klar over at det er en problemstilling – og deres medmenneskelige ansvar for å trå til. Først: I årlig melding for 2010, som vi rapporterte om i 2011, er det altså oppgitt at alle sykehus har barneansvarlige. Det forutsetter jeg er tilfellet, og vi vil selvfølgelig følge opp og sjekke at det også har realitet, og kompetanse. Så er det sånn at det som representanten Sjøli meget godt pekte på da hun snakket om kompetansekapasitet i kommunehelsetjenesten, understreker betydningen av mulighetene Samhandlingsreformen gir. Jeg blir, når jeg reiser rundt om i landet og ser de stedene hvor vi får gode avtaler mellom kommuner og sykehus, slått av at det er en arena for å samarbeide og finne denne oppfølgingen fra den ene tjenesten til den andre. Målet vårt er at du som pasient og bruker ikke skal oppleve det skillet, at du går over fra et forvaltningsnivå til et annet. Så det er på gang. Jeg tror ikke vi blir ferdige med det bare på noen uker og måneder, men vi ser positive trekk. Så er det slik at minoriteter er en viktig gruppe vi skal følge nøye med på. Når det gjelder denne levekårsundersøkelsen om pårørende av foreldre med rusproblemer, skal vi ha særlig oppmerksomhet der – samiske barn, barn i minoritetsfamilier, som opplever rusproblemstillinger. Da får vi dette bedre på kartet – mer kunnskap, mer dokumentasjon. Når det gjelder dette med tolker, vil jeg bare gjenta at vi forventer at det gjennom foretaksprotokollen er tatt nota av at det skal være tolking, og at barn ikke skal ha den rollen. Det må vi også følge opp i våre ulike ulike tilsyn. Dette har vært en god debatt, hvor jeg opplever at vi som helsetjeneste har kommet langt på noen år. Det er lagt på plass en del formelle vedtak, rutiner og retningslinjer, men alle i denne salen vet at det ikke automatisk er oversatt til at praksis er som vi ønsker den. Men også den er på riktig vei, og derfor håper jeg denne debatten kan bidra til å gi stimulans og engasjement til å følge opp dette viktige arbeidet.

Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 10 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. – Det anses vedtatt. Som saksordfører for rusmeldingen er

både direkte og indirekte, og det handler om å beskytte dem som er mest utsatt. Det er en samlet komité som fortsatt ønsker en restriktiv alkohol- og narkotikapolitikk. Det er et betydelig forebyggingspotensial på rusfeltet, fastslår også en samlet komité. Stortinget er enig i at en streng regulering er påkrevd for å begrense skadene som rusmidler kan forårsake. Hovedvirkemidlene i norsk alkoholpolitikk er effektive og skal ligge fast. Dette slutter et bredt flertall seg til, alle partier unntatt Fremskrittspartiet. Jeg er glad for at en samlet komité slår fast en nullvisjon for overdosedødsfall: Enhver som dør av overdose, er en for mye. Komiteens flertall, slår fast at det viktigste en kan gjøre er å redusere totalforbruket av alkohol hos flertallet i befolkningen. Komiteen viser til studier som dokumenterer at når totalforbruket går ned, faller forbruket også blant dem som drikker mest. Det er nemlig slik at de store kostnadene, samfunnsmessig og på individplan, kommer fra flertallets Komiteen er videre enig om at vi må forebygge rusproblemer ved å redusere tilgjengelighet og etterspørsel. Vi må handle kunnskapsbasert: Vi vet hva som virker, og vi må være villig til å bruke de midlene vi har. Kristelig Folkeparti er glad for at flertallet, dvs. regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, er enig om at det er viktig å vektlegge råd fra politiet når salgs- og skjenkebevillinger skal gis. Men for Kristelig Folkeparti er det skuffende at verken regjeringen eller noen av regjeringspartiene så langt har vært villig til å redusere skjenketiden til kl. 2. SIRUS’ forskning viser med all tydelighet at reduserte skjenketider er et effektivt virkemiddel for å redusere vold, og et flertall i befolkningen støtter altså skjenkestopp kl. 2. Helse- og omsorgsminister Gahr Støre har i Stortinget tidligere denne våren varslet at han vil følge nøye med på hva konsekvensen av ulik skjenketid er. Folkeparti står imidlertid alene i innstillingen om nå å redusere skjenketiden til kl. 02, i tråd med råd fra politi og fagfolk. Men SVs landsmøte endret partiets politikk på dette området så sent som i går, i tråd med politi, fagfolk og Kristelig Folkeparti. Så jeg forventer mer enn seks stemmer for forslag nr. 46, når vi kommer Sammen med regjeringspartiene viser Kristelig Folkeparti til Blå Kors- rapporten fra 2009, Alkohol som selger aviser – aviser som selger alkohol. Vi peker på omfanget av alkoholomtalen i norske medier samt at mye av omtalen er ensidig positiv og salgsorientert og gjør utstrakt bruk av reklamens virkemidler på redaksjonell plass. Det er viktig å motvirke slik holdningspåvirkning. Vi er derfor glad for at departementet varsler at reklameregelverket skal gjennomgås. Vi er også glad for at regjeringen vil vurdere innføring av mer hensiktsmessige reaksjonsalternativer ved brudd på regelverket, som f.eks. overtredelsesgebyr. Norge har lang tradisjon med offentlige og frivillige programmer for å er glad for at et samlet storting understreker at møteplasser og fritidsarenaer der barn og unge møtes, skal være rusmiddelfrie og trygge. En samlet komité peker på de viktige alkoholfrie sonene som skapes av lag og organisasjoner, og det viktige arbeidet frivillige organisasjoner bidrar med på dette området. Vi understreker betydningen av at alkoholfrie soner finnes, og ber om at dette arbeidet Min gode kollega Laila Dåvøy har tipset meg om en bok som handler om Selbukollektivets historie og arbeidsfilosofi. Boken heter «Mennesket bak rusen». Den gir tankevekkende historier om enkeltmennesker og noen viktige poenger som å se hele mennesket, noe jeg tror vi absolutt bør ta med oss videre. Boken overbeviste i alle fall meg om at kunnskap om sammenhengen mellom avhengighet og relasjonsskader og andre psykiske utfordringer må få konsekvenser og omsettes til praksis ved at innholdet i rusbehandlingen retter seg både mot avhengigheten og mennesket bak avhengigheten. Det er så viktig at rusbehandlingen evner å se og møte sammenhengen mellom avhengigheten og krenkelsene. Jeg er overbevist om at behandlingsforsøk med fokus på rusmiddelavhengighet kan mislykkes så lenge det ikke blir tatt riktig grep om de historiene og de krenkelsene som ligger i skyggen av avhengigheten. Det kompliserte og sammensatte kan ikke møtes med forenklede og fragmenterte løsninger. Rusmiddelavhengige er ingen homogen gruppe, og behandlingsbehovene varierer. En samlet komité understreker at det er viktig at hver pasient får det behandlingstilbudet som passer den enkelte, enten en trenger langvarig behandling på institusjon, kortere behandling eller poliklinisk behandling, og at et nytt og overlappende oppfølgingstilbud alltid står klart etter behandling. og deres pårørende trenger at det tas et solid kvalitets- og kapasitetsløft innen behandling og ettervern. Vi må ha en ny og forpliktende opptrappingsplan på rusfeltet, slår en samlet opposisjon fast i innstillingen. En annen utvikling opposisjonspartiene peker på, er den uheldige vridningen vekk fra døgnplasser mot mer poliklinisk behandling. Vi ser med bekymring på den nedbyggingen av langtidsplasser som har foregått de siste årene. Vi mener det er feil å kutte i langtidsplasser. Det er i dag et stort press på langtidsbehandling og uakseptabelt lange ventetider. Brukerorganisasjonen Marborg sa det slik på den ene høringen vi hadde: Aldri har så mange blitt behandlet De lange ventetidene og de lange ventelistene viser at regjeringen ikke tar i bruk den kapasiteten som finnes, og som er nødvendig for at syke mennesker som lenge har ønsket hjelp, får det. Kristelig Folkeparti og de andre opposisjonspartiene foreslår derfor i budsjettet for 2013 å øke bevilgningen til rusbehandling på flere av Kristelig Folkeparti er innstillingens del om ideelle aktører en av de aller viktigste. Vi er glad for at en samlet komité anerkjenner den viktige rollen ideelle aktører har spilt på rusfeltet i mange år, som sentrale aktører innen behandling og rehabilitering, som kunnskapsformidlere, som entreprenører, som talspersoner for ulike brukergrupper og som enten hovedmisbruket dreier seg om alkohol eller narkotiske stoffer. Stortinget og regjeringen er enige om at de ideelle organisasjonene er helt sentrale på rusfeltet, og at det er et mål at de skal påvirke politikken i framtiden i like stor grad som de har gjort hittil. Utfordringen er imidlertid at disse fine ordene må vises i den praktiske politikken. Det har skjedd noe positivt. Noen ideelle har fått langsiktige og løpende avtaler. Det er inngått en samarbeidsavtale om helse- og velferdstjenester, som bl.a. skal gjøre det mulig å drive rusomsorg mer langsiktig. Men fortsatt gjenstår mye før de ideelle har gode nok vilkår, etter Kristelig Folkepartis syn. Vi foreslår derfor bl.a. at det alltid skal inngås løpende avtaler med ideelle aktører gjennom direkte forhandlinger. Vi foreslår at de ideelle aktørene skal delta i de videre planprosessene på rusfeltet. Hele komiteen ber om at hele kapasiteten ved private og ideelle behandlingstiltak som har avtale med helseforetak, ikke bare det volumet som er omfattet av avtalen med helseforetaket, gjøres tilgjengelig for fritt sykehusvalg. Videre foreslår Kristelig Folkeparti at grunnstøtten til ideelle omsorgstiltak utenfor spesialisthelsetjenesten økes til to tredjedeler av kostnadene for en behandlingsplass. Kristelig Folkepartis slagord er «Menneskeverd i sentrum». Ruspolitikken er en naturlig og viktig del av vårt menneskeverdfokus. Alle mennesker er like mye verdt, og vi må aldri miste troen på at rusfrihet, rusfrihet, en ny start og et godt liv er mulig for alle mennesker. Jeg tar med dette opp de forslag Kristelig Folkeparti er medforslagsstiller til, og de forslagene vi fremmer alene. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp de forslagene hun refererte til. I dag behandler vi rusmeldingen som har

Vi får noen ganger forskjellige råd fra forskjellige fagmiljøer innenfor feltet. Det viser kanskje at det ikke finnes noen fasit med to streker under. Men det er bra at vi får debattene, for på den måten finner vi de gode løsningene. Det er mange områder i meldingen der det er enstemmighet i komiteen. Jeg synes vi har hatt et godt samarbeid om meldingen i komiteen, og jeg vil spesielt takke saksordføreren for det Regjeringens arbeid med stortingsmeldingen bygger på viktige innspill, faglige bidrag og høringsuttalelser fra en rekke aktører innenfor rusfeltet. Meldingen har fem fokusområder: forebygging og tidlig innsats innsats for pårørende og mot passiv drikking økt kompetanse og bedre kvalitet hjelp til tungt avhengige – og reduksjon i overdosedødsfall samhandling i Det er nødvendig å ha med seg at det er en melding som omfatter hele ruspolitikken, ikke bare det som gjelder narkotika. Veldig ofte er det nettopp narkotika som får stor oppmerksomhet når vi snakker om ruspolitikk. Denne meldingen omhandler både alkohol, vanedannende legemidler, narkotika og dopingmidler. Noen ganger når vi hører opposisjonen, kan man få inntrykk av at ingenting innenfor rusfeltet er bra. Det er jeg ikke enig i. Vi har selvsagt noen utfordringer, men i Vi har selvsagt noen utfordringer, men i det store og hele har vi en ruspolitikk som virker. I Norge bruker vi lite alkohol og narkotika sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Det er også veldig bra at norske 15–16-åringer er blant dem som bruker aller minst narkotika i hele Europa. Det er viktig å sørge for at vi holder oss på dette nivået, også når disse ungdommene blir eldre. Dette viser at det er mye som virker, og at vi har gjort de riktige tingene og brukt de riktige virkemidlene, dvs. at vi har en utstrakt bruk av regulatoriske virkemidler som favner hele befolkningen, og som forebygger rusproblemer. Så budskapet er at vi vil fortsette med det som er bra og som virker, samtidig som vi må bli bedre på det som ikke er godt nok.

De negative tilbakemeldingene har i hovedsak vært knyttet til TSB – tverrfaglig spesialisert behandling – langtidsbehandling og at det virker som om det sosialfaglige har fått for lite fokus i behandlingen. Derfor er jeg glad for at helseministeren i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene har sagt at det skal være en gjennomgang av kapasiteten innen TSB, og at behovet for økning skal vurderes. Jeg forstår det sånn at Helse og at de vurderer om de skal øke kapasiteten. Det er bra. Like viktig som kapasiteten er kvaliteten på behandlingen. Derfor er jeg fornøyd med at Helsedirektoratet skal sammenlikne både kvalitet og kostnader mellom offentlige og private/ideelle rusinstitusjoner. Vi har tatt på alvor signalene fra høringene og fra møter med både fagmiljø, institusjoner og enkeltpersoner, som De har alle gitt uttrykk for bekymring for at det sosialfaglige ikke har fått stor nok plass i TSB. Derfor er det bra at vi får en gjennomgang av kvaliteten og innholdet i behandlingen. For personer som har lang rusavhengighet bak seg, er det viktig at de får god hjelp til å mestre livet. Svært ofte er det personlige årsaker som ligger bak rusavhengigheten. Da må de få verktøy til å takle det, og det må inn som en del av behandlingen. både å oppnå rusfrihet og fortsatt klare å være rusfri er det mange som trenger bistand til å bygge nye familierelasjoner, rydde opp i gammel gjeld, og mange må få mulighet til å bygge opp igjen sin sosiale kompetanse. Det er også viktig at bolig og aktiviteter er på plass når man er ferdig med behandlingen. Ellers er ofte veien tilbake til rusavhengighet kort. En liten del, men betydningsfull for dem det gjelder, er skader på tennene etter langvarig rusbruk. I dag er det sånn at du får dekket kostnadene til tannbehandling som rusavhengig, men om du blir rusfri eller går til poliklinisk behandling, er du ikke omfattet av ordningen. Vi ber nå regjeringen utvide ordningen, slik at den også omfatter dem som er blitt rusfrie, slik at de kan få ferdigstilt sin tannbehandling. God behandling er viktig. Samtidig er det nødvendig med gode tilbud til dem som fortsatt lever med sin avhengighet. Vi har i underkant av 300 overdosedødsfall hvert år i Norge. Tallet er altfor høyt, og vi må se på hvordan vi kan redusere det. Dette dreier seg om mennesker, det dreier seg om liv som kan reddes. Derfor er jeg fornøyd med at helseministeren er villig til å åpne for at heroinavhengige kan få røyke heroin på sprøyterommet. Det alene er selvsagt ikke løsningen på overdosedødsfall. Men kan vi få noen til å røyke i stedet for å injisere, vil det kunne bidra til å redusere overdoser. Samtidig vil de få tilbud om helsehjelp på samme måte som de som injiserer, får det på sprøyterommet i dag. En vil da også på sprøyterommet kunne informere om fordelen ved å røyke i stedet for å injisere. Et flertall i komiteen, bestående av regjeringspartiene og Høyre, ber regjeringen gjennomføre tiltak for å få brukere til å røyke istedenfor å injisere heroin. Jeg anser helseministerens forslag som en oppfølging av I lys av at Høyre sammen med regjeringspartiene ber ministeren om dette, har det vært spesielt å høre reaksjonene fra representanten Bent Høie – fra Høyre – i denne saken, med beskyldninger om at helseministeren har villet legalisere røyking av heroin, og at det er lettvint utspill om eksperimenter i narkotikapolitikken. La det være helt tydelig: Det er ikke snakk om legalisering. Dette er å ta inn over seg den reelle situasjonen som finnes der ute i dag for mange sprøytenarkomane. Kan dette forslaget redde noen fra overdosedødsfall, vil vi prøve det. Jeg er veldig fornøyd med at vi har en lydhør og engasjert helseminister som er opptatt av rusfeltet. Han har tatt signalene fra flere i rusfeltet og fått Helsedirektoratet til på nytt å vurdere Naloxon nesespray for bruk ved overdoser, og nå foreslår han et prosjekt for å prøve det ut. Bruk av dopingmidler ser ut til å øke. Ungdom generelt er negative til doping, men mye tyder på at dopingmidler er lette å få tak i og ganske utbredt i enkelte miljøer. Derfor er jeg glad for at doping er en del av meldingen, og at vi foreslår forbud av erverv, besittelse og bruk av Et forbud er aldri svaret alene. Derfor er det bra at regjeringen i årets budsjett har satt av 4 mill. kr til Helse Sør-Øst for å videreutvikle tilbudet til personer som har skader etter bruk av dopingmidler, og at det satses på forskning, informasjon og forebygging. God behandling og rehabilitering er viktig og nødvendig og skal fortsatt utvikles til beste for den enkelte. Likevel er det aller best om vi kan klare å forebygge rusavhengighet. Det gjelder både for den enkelte og for de pårørende. Derfor skal vi fortsatt ha gode regulative ordninger som bidrar til å holde forbruket nede. Selv om vi drikker mindre enn gjennomsnittet i Europa, har alkoholforbruket økt betydelig de siste årene. Mange barn vokser opp i en familie hvor foreldrene har et bekymringsfullt alkoholforbruk. Derfor er det ganske overraskende å høre at Fremskrittspartiet, som er så opptatt av å behandle og rehabilitere, avviser så å si alle forslag om å forebygge. Vi vet av forskning at økt tilgjengelighet øker forbruket. Da blir det noe spesielt når Fremskrittspartiet ikke bare vil senke avgiftene på alkohol, men de vil også at 18-åringer skal kunne kjøpe sprit døgnet rundt, i dagligvarebutikken og på utestedene. Fremskrittspartiet satser på reparasjon, men er ikke like villig til å være med på tiltak vi vet virker avhengighetsforebyggende. Slike tiltak er ofte mindre populære, og det er nok ikke så interessant for Det er svært beklagelig. For oss henger disse tingene sammen. En helhetlig ruspolitikk må ha et bredt blikk, både på behandling, rehabilitering og ikke minst på forebygging. Helt til slutt vil jeg si meg fornøyd med at vi har en god stortingsmelding om rus fra regjeringen, som har blitt enda bedre etter behandlingen i Stortinget. Da vi hadde besøk av gatefolket før jul, var de Jeg håper mange der ute nå vil kjenne seg igjen i nettopp det – at vi politikere har lyttet til gode innspill. Derfor vil jeg igjen rette en takk til alle de organisasjoner, fagmiljøer og enkeltpersoner som har vist engasjement i prosessen og gitt oss verdifulle innspill for å sikre at vi nå har en god, helhetlig og framtidsrettet ruspolitikk i Norge.

Riksrevisjonen har påpekt dette, og Helsetilsynet har påpekt det. Alle visste det, men ingenting skjedde. Da rusmeldingen endelig kom, fant vi ikke igjen Stoltenberg-utvalgets anbefalinger. Vi fant ikke igjen innspill fra organisasjoner og fagmiljø fra hele landet, og ikke ble det invitert til en tverrpolitisk enighet for endelig å løfte rusomsorgen opp – en gang for alle. Så hva fikk vi egentlig? Vi fikk en melding som på en god måte beskriver realitetene – ikke noe nytt, men dog en god beskrivelse. Og vi fikk noen mål, men som ikke følges opp med reelle og effektive tiltak. Heldigvis har vi en sterk opposisjon med vilje til endring. Og heldigvis: Snart er det valg. Da Stoltenberg-utvalget la frem sin rapport, ble jeg invitert til Landsforeningen Mot Stoffmisbruk, som ønsket at jeg skulle holde et foredrag om rapportens innhold samt min analyse av den. Salen var full av pårørende, dvs. stort sett mammaer. De mente at om dette ble innført, ville vi virkelig merke en forskjell, en forbedring, og de lurte på om jeg hadde tro på at dette ville bli innført. Jeg så utover salen og forsamlingen og lurte desperat på hva jeg skulle svare. Jeg så at disse menneskene så inderlig hadde behov for at jeg ga dem et håp. Men jeg visste også innerst inne at det ville være en løgn å gi dem dette håpet. En regjering som bruker så mye tid og energi på å skyve på problemstillingen, ønsker jeg. Jeg visste der og da at Stoltenberg-utvalgets forslag ville ende i den velkjente skuffen. Så jeg ga dem et svar sånn midt imellom – ærlig på at jeg ikke kunne vite, og at det var viktig å ha håp. Like før sommerferien 2012 døde dette håpet. Rusmeldingen følger ikke opp Stoltenberg-utvalgets tenkning. Regjeringen snur fullstendig ryggen til sitt eget oppnevnte utvalg, og man kan lure på hva hensikten med dette utvalget egentlig var.

Da meldingen ble lagt fram, syntes jeg den hadde fått en vakker tittel – Se meg! Navnet ga liksom bud om noe nytt. Skuffelsen ble derfor ekstra stor. På Stortingets årlige møte med de rusavhengige fikk Fremskrittspartiet enda en bekreftelse på at meldingen var dårlig. De rusavhengige ga oss meldingen og sa at det ikke var nok å bli sett, de måtte også bli hørt. De ba om at meldingen ble laget på nytt, at den neste gang måtte inneholde konkrete forslag til endringer og forbedringer, og de ba om at den fikk navnet «Hør meg!» Fremskrittspartiet støtter dette synet. Men for ikke bare å deppe fra denne talerstolen skal jeg også snakke litt om de få tingene som er bra med meldingen. Det første er doping. Et etterlengtet fokus rundt utfordringer, farer og dødsfall i forbindelse med doping har kommet særlig fra pårørende. Jeg er glad for at regjeringen nå ser dette i et rus- og avhengighetsperspektiv, og at de har sendt ut på høring forslag om å behandle salg, bruk og oppbevaring av doping på linje med narkotika. Det andre gjelder ønsket om å ha større fokus på pårørende og det å være medavhengig, både for å se på de pårørende som en ressurs og viktige medspillere og også for å se at det å være pårørende gir dårlig helse, store bekymringer og redusert livskvalitet. Og det tredje, å etablere en legespesialitet innen rus og avhengighet – et viktig og riktig grep, synes vi i Men hovedproblemet med denne lenge etterlengtede rusmeldingen er at den ikke gir noe håp for dem som står i problemene i dag. Alle virkemidler man hadde, er fjernet. Både prioriteringen innen spesialisthelsetjenesten og de øremerkede midlene til kommunene er fjernet. De som er tett på miljøet, ser dette hver eneste dag. Gode behandlingsplasser blir borte. Langtids heldøgnsplasser med ulike tilnærminger og filosofi har blitt nedlagt, og det har skjedd hvert eneste år de siste årene. Mangfold og kompetanse forvitrer. De rusavhengige er taperne. Da Stortinget i 2003 vedtok Rusreformen – iverksatt i 2004 – og overførte det fylkeskommunale ansvaret for rusbehandling til staten, var det en betingelse at det sosialfaglige innholdet og mangfoldet i behandlingstilbudene skulle ivaretas, i tillegg til at det For mange av de nedlagte institusjonene har hovedfokuset vært personlig endring, vekst og utvikling i et ansvarliggjørende fellesskap der alle må bidra etter evne og forutsetninger. Dette er rusbehandling av ypperste kvalitet og kan ikke erstattes av medisiner og sykepleiere. Kollektivene har kunnet dokumentere resultater på mellom 50 og 70 pst. rusfrie etter endt behandling. Nå ofres denne behandlingsmodellen på bekostning av medikamentell behandling, kortest mulig behandlingstid og høyere helsefaglig faktor. Klinikkenes tid er tilbake, og faktorer som likemannsarbeid, mestring og samhold nedprioriteres. I kollektivtradisjonen er ettervernet høyt prioritert. Men dette er en kommunal oppgave, og de statlig eide helseforetakene ønsker ikke å sikre ettervernet ved å finansiere dette. Ettervernet i kommunene er svært fragmentert, vilkårlig og altfor lite Individuell plan brukes sjelden. Selv har jeg flere rusavhengige som jeg hjelper på min fritid, og jeg blir direkte provosert over en del av merknadene som regjeringspartienes merknader beskriver. Der snakker man om helhetlig behandlingsløp, tilrettelagt og skreddersydd for den enkelte – svulstige setninger og en selvtilfredshet som er helt utrolig. Debatten vil nok dessverre også bære preg av det samme. Men virkeligheten er så til de grader fjern fra disse fine ordene, og jeg tenker at det er hovedproblemet med hele meldingen. Om man ikke vil erkjenne virkeligheten, kommer man ikke et eneste skritt videre. Angelica er en av dem som opplever dette veldig sterkt. Hun er 22 år, totalt uten nettverk, sviktet av sine egne og det offentlige i barndommen, sviktet av barnevernet i ungdommen, og nå til slutt sviktet av alle. Hun er en jente utsatt for seksuelle, psykiske og fysiske overgrep, og det eneste det offentlige har vært opptatt av, er hva et eventuelt vedtak vil koste, og hvem som skal ta regningen. Medbestemmelse finnes ikke, og legeerklæringer og uttalelser fra psykolog hjelper ikke. Her er det pengene som rår, og penger som mangler, så da skal Angelica igjen flyttes, for 17. gang etter at barnevernet hentet henne ut fra sitt hjem. Angelica er fortvilet, ulykkelig og redd, og mange sier de veldig gjerne vil hjelpe, at hun fortjener det nå. Men de som kan gjøre noe, gjør ingenting, inkludert helseministeren. mennesker der ute som bryr seg. Selv om det ikke hjelper Angelica konkret, gjør det godt å få så mange oppmuntrende og velmenende hilsener. Fremskrittspartiet fremmer mer enn 40 konkrete forslag, som hver for seg er viktige, og som samlet sett ville gjort en betydelig forskjell gitt sparte lidelser og sparte liv og på sikt gitt store innsparinger. Du må så for å høste. Fremskrittspartiet er veldig opptatt av helheten i forhold til forebygging. Å oppdage barns vanskelige hverdag tidlig og sette inn riktig og sammenhengende tiltak umiddelbart vil være helt avgjørende om vi vil ha ned tallet på nyrekruttering til rusavhengighet. Historien til Angelica er et godt eksempel på at dette mangler. En kartlegging av hvorfor man begynte å ruse seg, viser at absolutt brorparten har slitt på en eller annen måte: vanskelige familieforhold, ADHD, lese- og skrivevansker og mobbing. Listen er lang. Men felles for disse menneskene er at de ikke ble sett, at de følte seg annerledes, og at livet var vondt. Urinprosjektet, eller ungdomskontrakten som enkelte kommuner har kalt den, er et godt eksempel på tiltak som har gitt resultater. Også her fant man at det var en bakenforliggende grunn til at man hadde ruset seg, og ga kommunene en unik mulighet til å avverge avhengighet ved å gi bistand til det som var vondt. Fremskrittspartiet har derfor flere ganger fremmet forslag om at regjeringen skal jobbe aktivt for dette prosjektet. Selv om flere statsråder fra regjeringen har frontet dette som et godt tiltak i media, har man aktivt stemt det ned i denne sal. Det er krevende å forholde seg til at man i media har én politikk, mens man i denne sal ikke gjennomfører. Sist ut var nesesprayen Naloxon, som Fremskrittspartiet har fremmet forslag om, og som regjeringen har avvist. Under behandlingen av rusmeldingen i komiteen tok Fremskrittspartiet opp igjen forslag om prøveprosjekt på utdeling av denne sprayen, som både kan redde liv og være et viktig bidrag for å unngå hjerneskade. Regjeringspartiene avviser dette igjen. Likevel greier helseministeren å lansere dette som et nytt tiltak under debatten om røyking av heroin for kort tid siden, og statsråden gjentok det i Kveldsnytt samme dag. Så hva er egentlig regjeringens mening? Betyr det at regjeringspartiene skal stemme for i dag, eller er dette noe som man bare prater om, men ikke vil gjøre? Det er så vanvittig mange forslag fra Fremskrittspartiet som kunne vært debattert lenge og vel, men min erfaring med åtte års rød-grønt styre er at debatt ikke gir folk håp eller hjelp. Det hjelper lite å fremme forslag om tilskuddsordninger for boliger når forslaget blir nedstemt. Det hjelper lite å fremme forslag om at behandlingstilbud må bli gitt umiddelbart etter avrusning, når regjeringen ikke vil ha det. Det hjelper ikke å fremme forslag om å finne virkemidler som gjør at rusavhengige får oppfylt sin rett til en individuell plan, når regjeringspartiene ikke synes dette er viktig. Og til slutt, når man ikke er interessert i at slike grunnleggende elementer kommer på plass, skjønner alle som har fulgt med på dette feltet, at det ikke vil skje noen forbedring etter at vedtak er gjort i denne sak i dag. Det beklager jeg, og det beklager Fremskrittspartiet. Rusmeldingen som jeg hadde så store forventninger til, vil ikke hjelpe dem som trenger hjelpen nå. Jeg tar likevel her og nå opp de forslag som Fremskrittspartiet alene eller sammen med andre partier har fremmet i denne sak. I tillegg vil jeg varsle at Fremskrittspartiet vil støtte følgende forslag fra Venstre: forslagene nr. 53, 54, 55,

meldingen. Jeg håper nå at dette blir gjennomført. Meldingen har også en vektlegging av det å se pårørende, som er bra, og som er tydelig i meldingen. Samtidig tar meldingen opp forslag om forbud mot doping. Det er bra. Meldingen gir også en generell status over feltet. Det er nå snart ti år siden Stortinget vedtok Rusreform II, som innebar at rusavhengige ble pasienter med de samme pasientrettighetene som andre pasienter, og der en var tydelig på at staten skal ha hovedansvaret for behandling rehabilitering gjennom at den tidens fylkeskommunale institusjoner forankret i sosialtjenesteloven ble spesialisthelsetjenesteinstitusjoner forankret i spesialisthelsetjenesteloven. Det innebar et markert skifte i politikk når det gjaldt rusavhengiges status, gjennomført under Det som en kunne ha opplevd i dag, var at denne stortingsmeldingen hadde vært et nytt, historisk skifte for dette feltet gjennom at en i dag hadde behandlet en opptrappingsplan for rusfeltet som pekte ut veien videre. Det er den dessverre ikke. Innen rusfeltet har en i over ti år ventet på denne meldingen, som kunne vært en markert start på en opptrapping av behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Istedenfor vil dagens melding og behandlingen av den framstå som en parentes. Det er så tydelig at selv den nye helseministeren måtte svare på de første spørsmål på dette feltet med at han og regjeringen hadde behov for mer kunnskap på området om hva som gjaldt, og representanten Wenche Olsen brukte også store deler av sitt innlegg på å beskrive områder der regjeringen hadde behov for å utvikle ny politikk. Da kan en jo lure på hva regjeringen har brukt de siste tre årene på, når det var nettopp disse spørsmålene som skulle vært besvart i denne meldingen. meldingen. Da vil jeg gå over på å beskrive det utfordringsbildet som meldingen ikke svarer på. Det første er innholdet i tverrfaglig spesialisert behandling, et område som i realiteten ble etablert i forbindelse med Rusreform II, men som allikevel ikke har hatt noen veldig tydelig politisk behandling i forhold til innhold. Det vi nå ser, er at helseforetakene i realiteten er i ferd med å endre innholdet i dette gjennom å redusere behandlingstiden og redusere det sosialfaglige innholdet i behandlingen. Det er stikk i strid med det Stortinget mente i forbindelse med Rusreform II, der Stortinget var tydelig på at institusjonene burde styrke sin helsefaglige kompetanse, men at det ikke skulle gå ut over den tverrfaglige sosiale rehabiliteringen. Men helseforetakene overser det, og en reduserer behandlingstiden og innholdet i behandlingen, uten at regjeringen ser ut til å ville gjøre noe som helst med det. En ser at vi fortsatt har om lag to og et halvt tusen rusavhengige som står i kø for behandling. Samtidig legges gode behandlingsinstitusjoner ned. Høyre mener at en vesentlig forandring er nødvendig å gjennomføre for denne pasientgruppen, og den forandringen handler om å gi fritt behandlingsvalg, slik at disse pasientene faktisk kan ha muligheten til å velge de behandlingsinstitusjonene som de selv har tro på blant dem som er offentlig godkjent, og at en kan bruke den kapasiteten som er. Hvis rusavhengige i dag velger en annen behandlingsinstitusjon enn den de tilbys, rykker de bakerst i køen og risikerer å vente i år. Alle forstår at ved å gi motiverte rusavhengige beskjed om at skal du komme på den institusjonen du er motivert for, må du vente i år, er det stor sannsynlighet for at motivasjonen er vekk før behandlingstilbudet eksisterer, i realiteten. Derfor ser en også av statistikken at det er ingen pasientgrupper der det er så stort frafall fra innvilgelse av rettighet til faktisk oppmøte til behandling som nettopp i denne pasientgruppen. En annen hovedutfordring er selvfølgelig også for disse pasientene overgangen fra spesialisthelsetjenesten til tilbud i kommunene eller gjennom Nav. Det gjelder bolig, gjelder bolig, det gjelder aktivitetstilbud, det gjelder poliklinisk oppfølging og videre sosialfaglig oppfølging. Men for denne gruppen er manglende kvalitetssikring av overgangen livstruende. Vi ser at hoveddelen av overdosedødsfall i Norge skjer umiddelbart etter utskrivning fra behandlingsinstitusjon eller fengsel. Så den praksisen som føres i dag, er livstruende for denne pasientgruppen. Denne stortingsmeldingen gir ikke noen konkrete svar på de utfordringene, tvert imot. I praksis kuttet regjeringen mens stortingsmeldingen ble lagt fram, 300 mill. kr i øremerkede midler til kommunene for denne pasientgruppen, i en situasjon der kommunene gjennom Samhandlingsreformen har fått økonomiske til å prioritere andre pasienter. Vi ser også at en utfordring er innholdet i den legemiddelassisterte rehabiliteringen. Veksten i legemiddelassistert rehabilitering var i perioden 2001–2005 hovedforklaringen på at en i den perioden klarte å redusere og halvere antallet overdosedødsfall i Norge. Det var positivt. Siden det har antallet overdosedødsfall igjen økt, og en har ikke lyktes med nye strategier. Men det en ikke klarte i forbindelse med den veksten, var å sørge for å gi et godt nok rehabiliteringsinnhold i den legemiddelassisterte rehabiliteringen. Det positive er at en klarte å oppnå en reduksjon i antallet overdosedødsfall, men det gikk så fort at en ikke klarte å følge det opp med et godt rehabiliteringstilbud. Heller ikke det svarer denne stortingsmeldingen på. I praksis er det mange fine ord i stortingsmeldingen, men i realiteten ser en at en på dette området går i feil retning. Regjeringen har fjernet regelen om at helseforetakene skal prioritere rus og psykiatri mer enn somatikk hvert år i hvert helseforetak. Det ser vi allerede konsekvensene av gjennom nedbygging av tilbud innenfor rus, men ikke minst også nedbygging av tilbud for dem med dobbeltdiagnose gjennom bl.a. nedleggelsen av TEDD her i Oslo. Jeg har aldri møtt noen som klarer å se noen som helst faglig eller annen begrunnelse for denne nedleggelsen. Vi ser nå også i Vestre Viken at tilbud til denne pasientgruppen bygges ned. kommunene, som en skulle ha satset på, har en fjernet de øremerkede midlene. Regjeringspartiene kommer i dag til å stemme imot Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstres forslag om en opptrappingsplan på dette området. Flere institusjoner er lagt ned. Bare de siste månedene er det planer om nedleggelse av 70 behandlingsplasser.

etter modell fra opptrappingsplanen som man har hatt innenfor psykiatri. Retningen på en sånn opptrappingsplan ser en gjennom alle de fellesforslagene som opposisjonen fremmer i denne saken. Verdigrunnlaget for ruspolitikken må være humanisme og Verdigrunnlaget for ruspolitikken må være humanisme og ikke moralisme. Vi må møte rusavhengighet med tiltak som faktisk hjelper folk som ønsker det, ut av avhengighet. Da må vi tørre å legge moralismen på hyllen. I 2009 ble det gitt over 5 000 forelegg på mellom 2 000 kr og 10 000 kr for bruk og besittelse av narkotika. Hvor mange tunge rusavhengige kan håndtere det? Mennesker som er sterkt rusavhengige, ser ikke lyset og legger fra seg rusavhengigheten fordi de får en bot eller kommer i fengsel. Derfor er det bra at vi i rusmeldingen slår fast at personer med rusproblemer i større grad skal møtes med helsehjelp framfor tradisjonell straff. Spørsmålet om straffereaksjoner ved mindre narkotikalovbrudd må handle om hva vi kan gjøre for å hindre at rusbrukere utvikler avhengighet eller forblir i avhengighet. Det er også bra at regjeringen varsler en intensivering av kampen mot overdoser, bl.a. gjennom en ny strategi for å redusere antallet overdosedødsfall. Norge er som kjent på overdosetoppen i Europa, og det er ikke en situasjon vi kan leve

Derfor er helsekø et så alvorlig problem for disse pasientene og et område vi må være spesielt opptatt av å redusere køene innenfor. Rusavhengige roper ikke høyt selv, så vi må rope for Vi må ha som visjon og mål å avvikle køene. I statsbudsjettet for 2013 har regjeringen lagt opp til å få ned ventetiden for behandling gjennom en ekstra stor kapasitetsøkning innen bl.a. rusbehandling. Dette vil gi flere hjelp. Fordi rusavhengige er som alle andre mennesker: forskjellige, må vi også sørge for en bredde De ideelle institusjonene er nøkkelen for å få til dette. Deres innsats er avgjørende for at rusavhengige i Norge skal klare å bli rusfrie. Denne regjeringen har lagt til rette for et bedre samarbeid med ideelle aktører, bl.a. gjennom samarbeidsavtalen med frivillig sektor. Betydningen av å satse på de ideelle ser vi bl.a. i den situasjonen vi har i Østfold i dag. Vi trenger tryggere rammer for de gode ideelle kreftene, og derfor er det bra at Helse Sør-Øst går vekk fra misforstått konkurranse og over til langsiktige avtaler. Jeg vil oppfordre alle helseforetak til å følge det

Kommunene har virkemidlene de trenger for å redusere skadene som følger av rusavhengighet når vi får på plass dette. Et annet viktig virkemiddel er alkoholpolitikken og skjenkepolitikken. Det er noen som blir ekstra hardt rammet av andres alkoholmisbruk. 90 000 barn lever med minst én forelder som misbruker alkohol. Vi må gjøre mer for å oppdage dette og følge opp barn og unge tidlig, og vi må vite mer om hvordan disse barna har det. Derfor vil vi sette i gang en levekårsundersøkelse for barn med rusavhengige foreldre. Vi vet allerede at helsestasjoner, barnehager, barnevernet og skoler er en viktig del av støtteapparatet for barn som har det vanskelig hjemme. Vi må fortsette arbeidet vårt for å styrke disse viktige arenaenes evne til å se og ivareta Når vi gjennom rusmeldingen nå innfører en forskrift med nasjonale krav til reaksjoner ved brudd på alkohollovgivningen, sørger vi for at brudd på alkoholloven får konsekvenser. Gjennom å øke kravene til kommunenes kontroll av steder med skjenkebevilling kan vi fange opp flere lovbrudd. Ruspolitikk må også handle om dem som ikke har blitt rusavhengige, om de mange tusen barna som lever i hjem der de føler seg utrygge, om ungdom som ikke klarer å håndtere skolegangen, og om barn som ikke får hjelp selv om de roper på omsorg. Ruspolitikk er mye mer enn rusmeldingen. Det er skolemeldinger, barnehagemeldinger og folkehelsemeldinger. Regjeringens innsats for å styrke barnehagene og barnevernet er historisk, og den er også viktig for at vi skal klare å fange opp unge som sliter, og hjelpe dem til å finne andre veier enn rusmisbruk. Meld. St. 30 for 2011–2012 Se meg! er ein god

For alkohol er dette nesten dobbelt så mange som det døydde i trafikkulykker same året. Det er ein tragedie at så mange unge menneske mistar livet sitt i overdosar, og at så mange liv går tapt på grunn av alkohol. Dette må det bli ei endring på, og vi må hindra at unge menneske sine liv går tapt i rus. Da må vi førebyggja betre, behandla fleire og auka ettervernet. Rusmeldinga varslar auka kompetanse og betre Eg er spesielt glad for at vi endeleg har fått på plass ein ny spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin for legar. Den femårige strategien mot overdosar er òg svært viktig. Det er positivt at skadereduserande tiltak blir vidareført, og at ein får tilbod om helsehjelp i staden for straff. Meldinga omhandlar òg doping. Senterpartiet er glad for at det i meldinga blir varsla – som vi òg har i vårt program – at ein vil kriminalisera dopingbruk. Dette er heilt nødvendige tiltak som saman med mobiliseringa mot doping som regjeringa varslar, kan bidra til å førebyggja dopingbruk blant unge. Doping må integrerast i det rusførebyggjande arbeidet. Vi må nyttiggjera oss av Idrettsforbundet og Antidoping Norge sin kompetanse på feltet. 800 000 nordmenn får årleg Målt etter alkohol er vanedannande medisin det mest vanlege avhengigheitsproblemet i Noreg. Meldinga varslar større fokus på og aktive tiltak mot det stigande blandingsforbruket som skjer med kombinasjonsbruk av alkohol og pillar. Dette er ei svært viktig satsing. Dei siste åra har det vore stort fokus på helseforetaka sitt anbodssystem innanfor rusfeltet. Det har vore stilt spørsmål om helseforetaka vrir behandlinga vekk frå langtidsbehandling og behandlingsformer med rusfridom som mål. Difor var det nødvendig at foretaka no har blitt bedne om å gjennomgå den samla kapasiteten innan tverrfagleg spesialisert behandling. Senterpartiet er opptatt av at vi fortsatt skal ha eit mangfaldig behandlingstilbod i rusfeltet, og dei ideelle organisasjonane skal få føreseielege rammer, i langsiktige avtalar med det offentlege basert på kvalitet. Pårørande er ein viktig ressurs for personar med rusproblem. Det er positivt at meldinga er så tydeleg på at pårørande skal bli tatt på alvor og har krav på rettleiing og råd frå helse- og Det skal bl.a. bli gjennomført ei levekårundersøking om pårørande og vaksne barn av rusavhengige. Denne skal leggjast til grunn for vidare tiltak, og det ser eg fram til. I behandling, ettervern og førebygging er det sentralt at vi òg i framtida legg til rette for at pårørande og frivillige kan bidra. Eg har lyst å visa til det Anonyme Alkoholikarar gjer med sitt

avgifter. Eg er glad for at regjeringa vidarefører ein førebyggjande, solidarisk ruspolitikk der det er eit overordna mål å avgrensa forbruket og skadane av alkohol og narkotika. Regjeringa varslar òg at den skal fortsetta å arbeida for at alkohol som helseutfordring blir sett høgt på den internasjonale dagsordenen. Det er òg veldig bra. kunne på torsdag lesa i Vårt Land at «oljefondet kjøper alkoholselskap som erobrar Afrika». Alkohol er den fremste dødsårsaka i Afrika. Eg vil difor koma med ei klar oppmoding avslutningsvis, sjølv om det er litt på sida av vår sak: Eg meiner at vi må vidareføra vår solidaritetslinje i alkoholpolitikken i utlandet òg. Eg meiner at tida er overmoden for at Statens pensjonsfond utland bør selja seg ut av alkoholindustrien, på akkurat same vis som at denne regjeringa bestemte at oljefondet skulle selja seg ut av tobakksindustrien i 2009.

Vårt mål er at antall overdosedødsfall minst skal reduseres med 50 pst. innen 2015, og at alle som ønsker behandling, skal få det innen 24 timer etter avrusning. Vi trenger derfor nye grep i rusomsorgen. Venstres mål er, i likhet med de fleste andre partier, at færrest mulig bruker illegale rusmidler, og at færrest mulig utvikler rusproblemer. Men Venstre skiller seg fra de andre partiene ved konsekvent å se på avhengighet som en sykdom. Rusproblemet må hovedsakelig møtes med sosialfaglige virkemidler og behandling fremfor straff. Forebygging av rusavhengighet er viktig. Forebygging må skje på alle områder som berører barn og unges oppvekstvilkår, men Venstre vil særlig sette inn tiltak i ungdomsskolen og på videregående skoler. Vi må sørge for at ingen skoleskulkere går «under radaren».

det både på ungdomsskolen og på videregående skole bli flere helsesøstre som kan gå i front for å fange opp dem som sliter. Når det gjelder behandling av rusavhengige, finnes det mange gode tilbud i Norge. Venstre fremmer i dag et forslag om det som vi kaller relasjonsassistert behandling. Grunnen er at vi trenger større grad av fleksibilitet og mulighet for langvarige Det er mye forskning som underbygger viktigheten av langvarige relasjoner i rusbehandlingen. Dette kan bl.a. sikres ved å sørge for at pasientene følges opp poliklinisk over tid, også før, etter og mellom eventuelle behandlingsopphold i døgninstitusjoner. Samtidig vet vi dessverre at mye god behandling er nytteløs dersom mottaksapparatet i kommunene ikke fungerer. Altfor mange skrives ut av behandling uten at de har egnet bolig, jobb, skole eller lignende å gå til. Venstre støtter derfor forslag om å øke de statlige bevilgningene til bolig og annen rehabilitering, og vi foreslår en belønningsordning til kommuner som sikrer at rusfrie boliger står klare fra dag én etter døgnbehandling.

Venstre mener også det er viktig med en utredning som ser på endring av norsk lovgivning, slik at behandling av narkotikaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse. Denne modellen har i Portugal ført til at flere kommer i behandling og færre dør av overdoser. Både regjeringspartiene og de andre opposisjonspartiene er høyst uklare når det gjelder akkurat dette.

åpne russcenene, trengs det ikke mer prat og vakre ord, men penger til en betydelig utbygging av rusomsorgen og en vilje til å tenke nytt. Norge trenger en ny og moderne ruspolitikk, basert på kunnskap og erfaring om hva som virker. Venstre legger i dag fram 17 radikale og nytenkende forslag

Jeg er glad for at en samlet komité har vektlagt helheten: forebygging, behandling og ikke minst situasjonen til de pårørende. Meldingen har gitt en tydeligere vektlegging av tredjepart, særlig barn og nære familiemedlemmer. Det var vi inne på tidligere i en annen debatt i dag, om et beslektet tema, og det er betydningsfullt. Slik jeg opplever rusfeltet, er det preget av mangfold, idealisme, engasjement, paradokser og ikke alltid eksakt kunnskap. Det gjør det krevende å velge riktig medisin. Likevel må vi handle, prøve nye veier, vurdere ny kunnskap og våge å tenke nytt. For å lykkes må vi konsentrere oss om det som skjer før pasienten kommer på sykehus. Forebygging er helt avgjørende også her, som flere talere har vært inne på. Vi vet mye om rusfeltet. Vi vet at omfanget av skader og vold øker med forbruk misbruk av rusmidler innebærer en stor belastning for den enkelte bruker, familie, barn og pårørende pris og tilgjengelighet påvirker forbruket aksept og alminneliggjøring avgjør etterspørselen arbeidsliv og samfunnsliv berøres Derfor er det bra at flertallet i komiteen er enige om at hovedlinjene i rusmiddelpolitikken skal ligge fast – fordi mye virker. Denne meldingen slår veldig klart fast at alkohol er rusmiddelproblem nr. én og forårsaker flest skader og problemer. Jeg ønsker et større fokus på alkoholens skadevirkninger og tidlig forebyggende innsats. Ofte har disse debattene en tendens til i første rekke å dreie seg om andre rusmidler. La oss nå behandle det viktigste som det viktigste. Forbruket vårt øker. Bevillingssystemet, vinmonopolordningen, reklameforbudet, aldersgrenser og avgiftspolitikk har god effekt på totalforbruket. Vi må videreføre og styrke denne type tiltak. Vi må Undersøkelser viser at kommunene ikke tar ut potensialet i alkoholloven. Selv om de avdekker gjentakende overskjenking på utesteder, medfører ikke det nødvendigvis inndragning av bevilling. Dette er ikke holdbart. I meldingen varsler vi flere tiltak for å få økt kontroll. Ett av dem er å utarbeide en forskrift med nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkohollovgivningen. Meldingen omhandler også doping utenfor den organiserte idretten. Her har det vært bred enighet, og regjeringen varsler tiltak om svært kort tid. Rusmiddelproblemet er mye mer enn den rusavhengige selv. Meldingen lanserer f.eks. begrepet «passiv drikking» for å skape økt oppmerksomhet om de betydelige konsekvenser rusmidler har for andre enn den som bruker dem. Barn og ektefeller er særlig berørte og påføres så vel fysiske som psykiske skader. I tillegg kommer andre berørte og betydelige kostnader for samfunnet. Trolig snakker vi om så mange som 1,5 milllioner mennesker i Norge som på en uønsket måte berøres av passiv drikking. Disse menneskene fortjener og skal vises oppmerksomhet. Brukerorganisasjoner og organisasjoner som arbeider med barn og unge med rusavhengige foreldre, skal lyttes til, og jeg vil invitere dem til dialog om muligheten for et partnerskap, slik at vi sammen kan få til en god innsats. Mellom 50 000 og 150 000 barn i Norge bor sammen med foreldre med risikofylt alkoholkonsum. Vi vet lite om hvordan alle disse barna opplever dette. Derfor er det bra at komiteen støtter gjennomføringen av en Regjeringen ønsker ikke at tjenester til personer med rusproblemer skal organiseres som særomsorg. De ordinære helse- og omsorgstjenestene i kommunen må være rustet til å ivareta pasienter med rusproblemer, på lik linje med andre pasienter. De må se hele mennesket. I rusmeldingen slår vi uttrykkelig fast at Samhandlingsreformen også skal gjelde for rusfeltet og være førende for utvikling av tjenestene. Samarbeidsavtalene mellom sykehus og kommuner er viktige verktøy og skal brukes aktivt. Det skal også økonomiske virkemidler. Stortingsmeldingen varsler en gradvis innføring av økonomiske virkemidler for rusbehandling og psykisk helsevern. Regjeringen vurderer hvor raskt de ulike virkemidlene kan komme på plass, og hvilken innretning de skal ha. Dette er en opptrappingsplan. Derfor tror jeg vi er enige om mye av målet, men forslagene om en separat opptrappingsplan på alle de områdene vi er opptatt av i Helse-Norge, er jeg redd kan splitte opp arbeidet med å se det hele mennesket, få til samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og å se hvordan ulike behandlinger skal spille sammen. Da vi hadde opptrappingsplanen, hadde vi øremerkede tilbud til kommunene. Opposisjonen kritiserer igjen regjeringen for å innlemme de øremerkede midlene til kommunalt rusarbeid i kommunenes frie inntekter i 2013. Så vidt jeg vet, var det et bredt flertall i Stortinget som ønsket det, og la meg understreke: men inngår altså i kommunenes frie inntekter. Det er kommunene som kjenner behovet til sine innbyggere best, og er nærmest til å vurdere innretningen på tjenestetilbudet, også her. Jeg er trygg på at de er seg sitt ansvar bevisst, også overfor denne brukergruppen. Tilbudet i spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles og gjøres mer fleksibelt. Tilbudet skal understøtte de kommunale tjenestene. tjenestene. Debatten om behandling i spesialisthelsetjenesten blir ofte avgrenset til ventetider eller antall plasser. Det er en viktig debatt, men jeg vil likevel si: Aldri har så mange rusavhengige fått behandling i spesialisthelsetjenesten. I 2011 fikk 25 000 mennesker behandling. Vi har doblet antall polikliniske konsultasjoner fra 2007 til 2011. Døgnkapasiteten har økt betydelig. I 2011 var det 700 årsverk i TSB, en økning på 7,4 pst. fra 2010. Ressursbruken til rusbehandling er økt med 50 pst. fra 2007 til 2011. Så er noen behandlingsplasser lagt ned, men andre er også kommet til. Døgnkapasiteten er større enn noen gang. Vi vil alltid kunne diskutere om det er best med langtids-, korttids- og/eller poliklinisk behandling. Svaret er at behovet vil variere fra pasient til pasient. Derfor er mangfold i tilbudet så viktig. Jeg har likevel bedt de regionale helseforetakene om å vurdere kapasiteten på langtidsbehandling i lys av det engasjementet og de innspillene som er kommet, særlig der rusfrihet er et mål. Her spiller, som vi vet, ideelle og frivillige en sentral rolle. Kapasiteten må holdes på et tilfredsstillende nivå. Samtidig skal tjenestene ha god kvalitet. kvalitet. Jeg tror kvalitetsspørsmålet får enda større betydning i tiden som kommer. Jeg har bedt Helsedirektoratet om en sammenligning av pris og kvalitet på tiltak drevet av det offentlige, og på tiltak drevet av ideelle organisasjoner. Dette er nyttig kunnskap. Innsatsen for mennesker med omfattende rusproblemer skal styrkes gjennom det ordinære tjenestetilbudet. Samtidig trengs noe mer. For å redusere helseskader, dødsfall og uverdige liv må vi ta i bruk livreddende tiltak. tiltak. Derfor er jeg glad for at komiteen vektlegger at mennesker skal møtes med likeverd og respekt, og at vi skal ha høye ambisjoner om å hjelpe mennesker ut av avhengighet. Skadereduserende tiltak kan være veien inn i et behandlingsforløp og være avgjørende for liv og helse. Komiteen understreker at skadereduserende tiltak ikke betyr å gi slipp på målet om at flest mulig skal komme ut av rusavhengigheten. Det er jeg helt enig i. Det er en klok tilnærming. For mange dør av overdoser i Norge. Jeg er glad vi som skal være basert på kunnskap om de beste og mest effektive tiltakene. Jeg har allerede tatt initiativ til tiltak som jeg mener kan bidra til å redusere overdosene: utredning av muligheten for å røyke heroin i sprøyterom og forsøk med Naloxon nesespray. Spørsmålet om bruk av heroin i behandling har vært grundig vurdert, bl.a. i en konsensuskonferanse. Jeg er enig i at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å kunne prøve dette ut i Norge nå. Vi må prioritere videre utbygging og kvalitetssikring av behandlingstilbudene, både medikamentfrie og legemiddelassisterte.

Så vil Helsedirektoratet i løpet av 2013 ha sluttført arbeidet med de fleste nasjonale retningslinjer for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Retningslinjene baseres på tilgjengelig kunnskap om hva som er god rusbehandling. Rusmidler forårsaker omfattende problemer og fortjener gode løsninger. Oppslutningen om den norske rusmiddelpolitikken er stor. Det er bra, meldinger bekrefter det. I debatten og engasjementet har jeg også registrert motsetninger, og jeg synes det er til å leve med. Noen ganger får jeg inntrykk av at motsetningene blir gjort større enn de egentlig er. Dette tror jeg verken tjener debatten eller dem som sliter med rusproblemene. Mye er oppnådd. Samtidig skal vi arbeide målrettet for å løse utfordringene fremover. Vi bruker mye penger på rusbehandling. Hvert år trapper vi opp innsatsen. Diskusjonen om mer penger må suppleres med fokus på kvalitet, innhold og effekt, og hvordan vi kan forebygge bedre og reparere mindre. Se meg! – stortingsmeldingen – tar et helhetlig grep om rusmiddelpolitikken. Vi fortsetter med det som virker, og fornyer der det er Det åpnes for replikkordskifte. De siste årene i forkant av at denne stortingsmeldingen ble lagt fram, opplevde vi at regjeringen fjernet kravet om at spesialisthelsetjenesten skal prioritere denne pasientgruppen. Vi opplevde at regjeringen fjernet den øremerkede ordningen for kommunene for at de skal prioritere denne pasientgruppen – i en situasjon der kommunene, etter at Stortinget hadde vedtatt planen for overføring av øremerkede midler, hadde fått økonomiske incentiver for å prioritere de somatiske pasientene. Vi har sett at en rekke behandlingstilbud er lagt ned, ikke minst tilbud til pasienter med dobbeltdiagnose – rus, psykiatri, f.eks. TEDD her i Oslo. Mener statsråden at disse endringene har vært til det beste for landets rusavhengige? Så

regjeringen. Jeg ser at de kommunene som har fått dem øremerket, synes å ha håndtert situasjonen på en god måte. Så er det slik at å peke på det ene området og si at de skal ha mer i budsjettet, er vi kommet til er et lite treffsikkert tiltak. Likevel viser jeg til at det skjer en jevn opptrapping på dette feltet, og i forbindelse med Samhandlingsreformen tror jeg det også øker muligheten til å se sammenhengen mellom rus–psykiatri, rus–somatikk – det hele mennesket mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste. Derfor mener jeg at dette er samlende grep som drar nytte av en opptrappingsplan, drar nytte av den satsingen vi gjør, også når denne stortingsmeldingen er kommet, slik at vi kan se helheten i midlene og ikke stykker det opp i enkelte opptrappingsplaner og enkelte satsingsområder. Jeg vil bare opplyse om at en samlet opposisjon stemte imot forslaget om å fjerne øremerking av 300 mill. kr til de rusavhengige. Et samlet fagfelt – rusfelt – advarte Stortinget mot det samme i høringen, både til

alle disse nedprioriteringene av denne pasientgruppen. Spørsmålet mitt var om de endringene som denne regjeringen har gjennomført på dette området, hadde vært en fordel – altså til det gode – for landets rusavhengige. Representanten ønsker å få meg til å si at dette har vært dårlig for pasientgruppen. Det ønsker jeg ikke å si, for det mener jeg det ikke er dekning for. Jeg har i mitt innlegg skissert et økt antall behandlingsplasser, et økt antall polikliniske behandlinger, et økt volum, både på antall som behandler og på utbygging av tjenesten som sådan. Jeg mener det er til fordel for denne pasientgruppen. Jeg mener Samhandlingsreformen er en vesentlig fordel, fordi den øker muligheten for tidlig intervensjon – samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og helsetjenesten tett på der du bor. Jeg mener utrulling av de økonomiske virkemidlene i Samhandlingsreformen for rus og psykiatri vil bygge opp om dette. Derfor mener jeg vi er på en kurs til å se det hele mennesket, gi dem bedre tilbud, se sammenhengen mellom ulike helsetilbud – en del av en stor overgang på psykisk helse, også en del for å ta et nyansert rusansvar på alvor. Jeg håper representanten er interessert i de siste syv sekundene også. Så svaret er ja, jeg mener dette er til det gode for denne gruppen – som jeg understreket i mitt innlegg. Vi har kunnskap, men vi trenger mer. Det vil vi også jobbe for å skaffe oss. 58 pst. av den samlede døgnkapasiteten i spesialisthelsetjenesten drives av private og ideelle tilbydere. Her er det mye fagkompetanse. Det er pst. av den samlede døgnkapasiteten i spesialisthelsetjenesten drives av private og ideelle tilbydere. Her er det mye fagkompetanse. Det er opparbeidet et verdifullt bidrag til rusomsorgen. Vi vet at anbud innenfor denne sektoren har vært krevende for ideelle institusjoner, til tross for høy kvalitet. Vi vet også at langsiktige

økning. Verdien av de avtalene har gått fra rundt 700 mill. kr til rundt 1,2 mrd. kr. Så det betyr at utviklingen jevnt har vært å kjøpe flere plasser fra den sektoren. Hvorfor det? Jo, fordi det er kvalitet og mangfold vi finner der. Jeg er opptatt av å lytte til dem. Jeg har nå bedt de regionale helseforetakene vurdere langtidsbehandling og se på dette i et nytt lys. Vi har bedt om å få vurdert tilbudene som gis av disse institusjonene, og de som gis av spesialisthelsetjenesten, for å få et bedre grunnlag. Så med kvalitet som utgangspunkt er jeg sikker på at denne ideelle sektoren kommer til å ha veldig mye å skilte med, veldig mye å lære bort, men må også tåle å ta noen utfordringer når en spesialisthelsetjeneste skal legge kvalitet til grunn for de avtalene en inngår. Da er neste replikant representanten Borghild Siden ingen fra de øvrige partiene har meldt seg, vil den siste replikken gå til representanten Erna Solberg. Venstre har fremmet et forslag om en 24-timersgaranti. Grunnen til det er at da er det størst fare for tilbakefall, og da er rusavhengige mest Er statsråden enig i at det er et problem at det er såpass lang ventetid som det er per i dag? Og hvilke vurderinger gjør helseministeren seg av Venstres forslag? Jeg legger jo til grunn her, som ellers, at ved akutte tilstander skal det gis akutt hjelp. For øvrig er jo noen av de utfordringene jeg oppfattet fra representanten Tenden, at hvis mennesker kommer inn til behandling, må de kunne få et tilbud om videre behandling raskt. Det mener jeg har mye for seg, men jeg tror ikke at en 24-timersregel nødvendigvis dekker og fanger opp alle behovene – at det ikke alltid vil være slik at det en person i en sånn situasjon trenger, er et oppfølgingstilbud etter 24 timer. Men jeg kommer tilbake til det jeg sa i mitt innlegg: Det er viktig å se det enkelte menneskets behov, og det kan være et mangfold i den type oppfølging som da trenges. Vår oppgave er å jobbe for at det mangfoldet er der. Enten er det å fortsette oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten, eller det er tilbud om mer langvarig behandling, poliklinisk behandling og samspill mellom tilbud nært der du lever, og i sykehus og spesialisthelsetjeneste.

f.eks. om retningslinjer innenfor Helse Øst, hvor man mente at hvis man ikke ble klar på seks måneder, trengte man ikke mer behandling – man mistet de sosialfaglige aspektene knyttet til dette. Men én ting som har ligget fast i denne perioden, og som gjør at vi nå har statistikk som viser at det faktisk har vært en økt innsats, var altså den gylne regelen som eksisterte frem til i fjor, nemlig at alle helseforetakene ble målt på at det var en større vekst i rus- og psykiatriavbrekket. Mitt spørsmål er ikke nå å diskutere om dette er istedenfor kvalitet, for jeg mener vi kan gjøre begge deler samtidig: Vi kan både ha kvalitet og passe på volum. Men spørsmålet er: Hvis volumet går ned, vil statsråden da vurdere å gjeninnføre regelen? Hvis vi ser på alle de utfordringene vi har innenfor helsevesenet som sykehusene våre skal ta tak i kreft, psykisk helse, livsstilssykdommer, det er et stort bilde – tror jeg at det å plukke ut enkelte områder, sette tall på det med målsettinger, gir et lite treffsikkert bilde ut fra de prioriteringene regionene og sykehusene løpende skal gjøre. Da har jeg mer tro på at vi er i stand til å fullfinansiere aktiviteten i sykehusene – det har denne regjeringen gjort hvert år – at vi i foretaksdokumentene, i oppdragsdokumentene til sykehusene, tydelig normativt vektlegger områder samfunnet gjennom regjering, forankret i Stortinget, setter til sykehusenes virksomhet. Jeg har vært veldig tydelig på området psykisk helse og rus i mitt oppdrag til sykehusene for 2013. Det betyr at de har en klar marsjordre på de områdene. Så må de prioritere. Her er det ulike forutsetninger fra region til region og fra sykehus til sykehus. Det er for å være var for dem at vi altså ikke har valgt å bruke det virkemiddelet å sette et eget tall for denne sektoren. Jeg tror det er riktig vei å gå. Så får vi vurdere volumet slik det utvikler seg.

Først har jeg behov for å slå fast at de personene som vi omtaler her, og som står beskrevet i denne meldingen, alle har vært et annet sted før de kom inn i meldingen. De har vært våre klassekamerater, de har vært våre naboer, de har vært våre sønners og døtres lekekamerater, og de har vært våre kusiner og fettere, barn. Så vil jeg si at i debatten om rusmiddelpolitikk er det viktig å ha med seg den brede velferdsstatens innretning. I Norge handler det om å kombinere ansvaret for eget liv med en solidarisk omtanke for vår neste. Omfordeling av rikdom – statens og privatpersoners – er et av de viktigste virkemidlene for at flere får et godt liv. Opposisjonen mener at disse virkemidlene ikke virker. I forebygging av alkoholproblematikken velger de en medisin som har motsatt effekt, nemlig mer liberalisering og mindre styring. Merknadene til Høyre og Fremskrittspartiet på viktige områder for styring og begrensning er etter min mening like upålitelige som sandkorn i vinden. Høyres og Fremskrittspartiets løfte om å endre Norge er et av de viktigste virkemidlene for å øke forbruk og sette store grupper av rusmiddelavhengige bakerst i helse-, omsorgs- og arbeidskøene. Etter min mening er Høyres fokus på plan, struktur og organisering ikke det som vil bedre hverdagen til personene som er omtalt i denne meldingen. Faren for overdosedødsfall forsvinner ikke fordi det blir privatiserte tilbydere. Jeg har et langt liv bak meg i tverrfaglig rusbehandling. I mine første år i jobben på slutten av 1980-tallet traff jeg mange utslåtte og utstøtte personer med alkoholavhengighet – ofte tannløse, uten jobb, ingen forankringspunkter annet enn sporadiske samtaler med sosialkurator eller et og annet opphold på vernehjem. De er i dag en nesten usynlig gruppe. Noe handler om at de har fått behandling, at rusreformen har virket, og at de i større grad følges opp. Men det handler også om at velferdssamfunnet bærer dem lenger, også med sin avhengighet. Avhengigheten kan være mer skjult over lengre tid. Alkoholkonsekvensene har flyttet fra parkene og inn i hjemmene til folk. Derfor er jeg veldig glad for at denne meldingen har tatt alvorlig at alkohol er det rusmiddelet som forårsaker flest rusrelaterte dødsfall i vårt samfunn, og er en stor nasjonal og internasjonal utfordring. Så til det å snakke om det. Justisdepartementet har levert en melding om vold i nære relasjoner og foreslått at jordmødre bør snakke med gravide om vold. Folk bør snakke mer med hverandre om mer. Vold og rus bør bli dagligdags samtaleemne hos fastlegen, helsesøstera, fysioterapeuten, førskolelæreren og – ikke minst – mellom oss, alle vi som kaller oss for de andre. Tausheten er kanskje det som tar flest leveår når alt kommer til alt. Passiv drikking – hipp hurra for begrepet, og hurra for fokuset. Jeg er stolt over at ministeren har fått gjennomslag for å sette barns og pårørendes behov så tydelig på dagsordenen. Gjennom bestemmelser i helselover, i Nav, i straffeloven og opprettelsen av bl.a. kompetansenettverk og familieambulatorier har mye skjedd innenfor barne- og familiefeltet. Det er en riktig retning, og det er en riktig satsing. Så til den varslede levekårsundersøkelsen. Vi vet at ca. 60 pst. av de som sitter i fengsel, har rusproblematikk. Flere fengsler har opprettet rusmestringsenheter, og det er bra. Men barn av innsatte skal også følges opp. Det er store organisatoriske og – jeg tillater meg å hevde – holdningsmessige utfordringer for å kunne følge dette opp på en god måte. Jeg mener derfor at levekårsundersøkelsen må inkludere barn av innsatte. Vi vet at de har store utfordringer. Organisasjoner av rusavhengige og deres pårørende gjør mye godt arbeid. RIO, A-larm og LAR-Nett er flere eksempler på dette, og også de som gir arbeid til rusavhengige, som KLAR på Agder og =Oslo i Oslo. Kvalifiseringsprogram og arbeidsrelaterte ordninger har hjulpet mange, og flere må få hjelp av disse ordningene. har også – endelig, må jeg få lov til å si – tatt grep for å få en spesialisering av legeutdanningen. Meldingen drøfter kvalitet og forskning, og det er et felt det kanskje ikke finnes så mye eksakt kunnskap om, som ministeren var inne på. Det behøver ikke å bety at kvaliteten er dårlig, vi vet bare ikke nok om det. Det kan være en styrke at fagfeltet har en bred tilnærming, inkludert mange Jeg tror ikke en spesialisering gjør samarbeidet vanskeligere, men i utformingen av spesialiteten er det viktig at innholdet må føre til mer samarbeid, ikke mindre, og at man i dialog og samarbeid må utvikle framtidas rusmiddeltjeneste ut fra det vi vet virker – men «med hjartet på rette staden». De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er

Det er ikke grunnlag for å sykeliggjøre eller kriminalisere på et generelt grunnlag. Komiteens innstilling og regjeringens forslag er fylt med gode intensjoner. Se meg! er tittelen på meldingen. Men hvem ønsker egentlig å bli sett om konsekvensene er sanksjoner, straff og utstøting? Når Stortinget i dag skriver at det ikke er godtgjort at avkriminalisering av bruk og besittelse eller legalisering av narkotika vil redusere narkotikaproblemer, er det en påstand det ikke er belegg for. Når vi som samfunn bruker samfunnets hardeste reaksjonsmåte, må det godtgjøres at det faktisk gjør noe positivt for dem det gjelder og for pårørende. Bruk av straff er samfunnets hardeste reaksjonsmiddel.

Konsekvensene for brukerne kan være bøter eller fengselsstraff. Anmerkning på rullebladet kan gi tap av jobb eller studiemuligheter innen en rekke profesjoner. Samfunnets signal om at det er sosialt uakseptabelt å bruke illegale rusmidler, skaper utstøting. Vi vet mye om dem som sliter mest. Mennesker som har gått gjennom traumatiske tapsopplevelser, vært utsatt for vold eller overgrep, er overrepresentert. Altfor mange tidligere barnevernsbarn blir utstøtt. utstøtt. På den ene siden snakker man om mer brukermedvirkning, mens man ofte på den annen side umyndiggjør de samme menneskene gjennom å stemple enhver bruker som misbruker eller kriminell. Man kan ikke snakke om menneskeverd og solidaritet med noen av samfunnets mest vanskeligstilte når det bidrar til å gjøre vondt verre for mange. Man trenger ikke gå lenger enn ned til Oslo S for å være vitne til sosial renovasjon. Jeg mener at Stortinget burde sett på følgende forslag med fordomsfrie øyne: forsøksordning med heroinassistert behandling for de tyngste brukerne avkriminalisering av brukerne og å vri ressursene fra politi, domstol og kriminalomsorg over til differensiert behandling som møter den enkelte der man er i livet, mer ettervern, økt satsing på skolehelsetjeneste, flere psykologer og mer sosialfaglig jobbing vurdere

000 som venter på behandling innenfor rusfeltet. Det som skiller disse pasientene fra andre pasienter, er at vi er nødt til å hanke dem inn når de er motivert – med mindre de skal tvangsbehandles, og det er de aller færreste.

når det gjelder de ideelle og når det gjelder spesialisthelsetjenesten. Med skam å melde: Det hadde jeg forventet hadde ligget på bordet når man allerede trapper ned langtidsplasser. Det å gå fra seng til stol, som vi har gjort veldig mye innenfor somatikken – uten at dette er kunnskapsbasert eller «evidence-based» – tenderer til det jeg kaller gambling. Vi har fra Høyres side ønsket en opptrappingsplan innenfor rusfeltet. Statsråden sier at rusmeldingen er en opptrappingsplan – da bygger man ikke ned. Vi har lagt inn 100 mill. kr i vårt alternative budsjett nettopp til opptrapping innenfor rehabilitering. Vi har også tidligere uttalt at 100 mill. kr skal gå til rusarbeidet. I mitt område nedlegges om kort tid Phoenix House Haga. Nybøle rusinstitusjon bygges tilsvarende Spydeberg. Vi øremerker altså 45 mill. kr innen Helse Sør-Østs ramme til et prosjekt for å få ned ventetidene – spesifikt rettet mot langtidsplassene. Midt i det området er Phoenix Haga. Statsråden har tidligere i denne salen vært konfrontert med at det er mulig å gjøre reverseringer og ikke henvise bare til administrative og juridiske vurderinger der det finnes flere tolkninger. Jeg imøteser en utredning eller en forklaring på det i nær fremtid. Høyre vil også reversere de kuttene som er i de øremerkede rusmidlene innenfor kommunerammen – 300 mill. kr. Det er lavterskel. Det er å sette i spill det som er utekontakten i Fredrikstad. Dette er altså ikke opptrappingsplan – dette er en nedbygging. Det mangler en dokumentasjon på om det er korttidsbehandling eller langtidsbehandling som virker. For veldig mange av disse rusmisbrukerne – om de har et langvarig sammensatt misbruk eller et korttidsmisbruk – handler det om å komme vekk fra dårlige kamerater. Da holder det ikke bare med en stol. Det handler om en seng. Det er det som ligger i langtidsbehandlingen. Jeg forventet at en dokumentasjon på hva som virker, hadde ligget til grunn i rusmeldingen – og når det ikke gjør det, at den da kommer om kort tid.

Det er noe med samfunnsutviklingen vår som gjør at det ikke alltid er hva barna har lyst til som står i fokus når det skal inviteres til fest. Derfor liker jeg godt initiativet AV-OG-TIL som får oss til å tenke på om det er nødvendig med vin til lunsjen med venner på hytta. Kanskje vi igjen kan begynne å invitere venninner midt i uka på en kopp te eller en kopp kaffe, og ikke på noen glass Det er en ting med barn som lever i familier med den skjulte rusen, den som er bak vellykkete fasader, med dyrt hus, flott bil og godt betalt jobb. Så har vi de barna som bæres fram av en mor som er uten fast jobb, uten bolig, og som har et rusproblem som gjør at barnet fødes med abstinenser. Hvordan klare å komme tidlig inn og få fulgt opp både mor og barn? Jeg skal åpne en konferanse på Voss torsdag som nettopp tar opp dette temaet: Når kvinner med rushistorikk venter barn, hva da? Det reises noen dilemmaer når barnevernet i utgangspunktet ikke kommer inn før barnet er født. Det er klart at det hadde vært tjenlig at de fikk en dialog med mor før barnet er født. Stortingsmeldingen vi behandler i dag, tar opp flere av spørsmålene og problemstillingene jeg har reist, og regjeringen leverte for noen uker siden en stortingsmelding om vold i nære relasjoner som også hadde en link til rus. Det er, som representanten Lysbakken sa, mange departementer som er involvert i dette arbeidet. Regjeringen er på på dette feltet, og det er viktig at storting og kommunene legger til rette for at kommunalt ansatte kan følge opp i førstelinjen, og da f.eks. gjennom Samhandlingsreformen. Jeg gjentar derfor overskriften og tittelen i meldingen, «Se meg!», som særlig passer på barn som vokser opp i en familie hvor det er negative relasjoner til rus.

Jeg vil imidlertid peke på et område innenfor rusfeltet som ikke får så stor oppmerksomhet, et område som kan se ut til å være det største avhengighetsproblemet i Norge nest etter alkohol, nemlig misbruk av vanedannende legemidler. Svært mange pasienter demper hver dag sine kroniske smerter med sterke opiater. Mange bruker sterke legemidler i korte perioder og i riktig dosering, men dessverre ender også altfor mange opp som tunge misbrukere som følge av høye doser vanedannende smertelindrende medikamenter. Sykepleiere kan fortelle om pasienter i alle aldre med tunge, harde abstinenser på grunn av opiat. Historiene til disse pasientene får vi Mange av dem forteller om et misbruk som starter i det små, men som eskalerer etter noen tid på grunn av lett tilgang til sterke, vanedannende legemidler gjennom et helsevesen som fungerer fragmentert og lite helhetlig overfor smertepasientene. Høyre har flere ganger pekt på behovet for økt satsing på smertepoliklinikker, slik at kroniske smertepasienter kan få høykompetent og spesialisert legehjelp. Det er ikke alltid gitt at fastlegene klarer å følge opp medisiner og medisinforskrivning for de pasientene som på grunn av skader eller sykdom lever med kroniske smerter. I behandling av denne meldingen foreslår vi derfor økt forskning og kompetanseutvikling i forbindelse med misbruk av vanedannende legemidler. Dette mener jeg er viktig for å ha et helhetlig syn på rus som samfunnsproblem. Ikke minst må det satses mer på forskning, og vi må sikre at kommunehelsetjenesten har den nødvendige kompetanse. Det mener jeg haster, fordi stadig større oppgaver fases fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten i forbindelse med innføringen av Samhandlingsreformen. Vi må sørge for å bygge opp kapasitet og kompetanse over hele landet, og vi må kunne gi et godt behandlingstilbud til kroniske smertepasienter og forebygge et langvarig rusmisbruk med all den lidelse det påfører den enkelte, familien og samfunnet. Stortingsmeldingen «Se meg!» gir en god beskrivelse av hvordan det står til på rusområdet, og den gir noen svar på hvordan vi best kan forebygge, og hvordan vi ønsker at framtidens ruspolitikk skal være. Alkohol er – som mange har nevnt – en av de viktigste årsakene til uførhet, sykdom og død sett i et globalt folkehelseperspektiv. Cirka 4 pst. av dødsfallene på verdensbasis skyldes alkohol, alkohol er årsaken til 4,65 pst. av den globale sykdomsbyrden i form av tapte leveår. Derfor er det på dette området vi bør sette inn flest mottiltak. Narkotika, som vi snakker mest om når det gjelder rus, kommer i en stor europeisk studie på 14. plass med hensyn til problemer som er helse- og samfunnsrelatert. Ruspolitikk og felles utfordringer diskuteres i alle land, og det er interessant at mange land ser til Norge, og hva vi gjør, spesielt når det gjelder alkoholpolitikk. Også i Nordisk råd-sammenheng har ruspolitikken vært diskutert – senest på sesjonen i Finland – der Velferdsutvalget la fram sine anbefalinger om tiltak sett i lys av et folkehelseperspektiv i tolv punkter, alt fra mer forskning til konkrete tiltak som promillegrenser og alkolås. Komiteen støtter i meldingen at dette bør ses på i at dette bør ses på i den videre ruspolitikken. Grunnlaget for anbefalingene som Nordisk råd gir, er råd fra eksperter fra hele Europa, som utvalget fikk i sitt arbeid. Det var én ting vi var samstemte om, og kanskje det aller viktigste, nemlig tilgjengelighet og pris som mekanisme for å redusere forbruket. Det er tiltak som de fleste eksperter mener virker. Flertallet i komiteen, med unntak av Fremskrittspartiet, er enig med ekspertene. Flertallet stiller seg bak den politikken som Norge fører på dette området. Fremskrittspartiet derimot er ikke enig, men de bruker kanskje noen andre eksperter som mener det er bedre å reparere enn å Ingen «ordinær» vare» har en forskergruppe gått gjennom den omfattende internasjonale forskningen om i hvilken grad de ulike alkoholpolitiske strategier og tiltak kan bidra til å redusere omfanget av helsemessige og sosiale problemer. De har konkludert med at alkoholavgifter, begrensninger i serveringstider og antall salgs- og skjenkesteder er effektive virkemidler. Dette bekrefter at mye av det vi gjør er riktig, og at dette sporet bør følges videre. Debatten i dag viser at det Debatten i dag viser at det er mange tiltak som må settes inn på mange arenaer. Vi sitter ikke med alle svarene nå heller. Derfor må vi fortsette å gjøre det som vi gjør bra, og så må vi være åpne for nye løsninger der ting ikke virker. For en som sjøl er totalavholds, er debatter om rus og

rus. Det er litt rart å se verdiskalaen over hva det er vi synes vi tillater, og hva det er vi synes er greit når det gjelder alkohol som et vanlig rusmiddel, som faktisk gir de største skadene og problemene i samfunnet. Av de tiltakene vi bør sette i gang, er jeg mest opptatt av det som heter skjenkekontroll. Det er fordi vi vet at overskjenking er et stort problem, og det fører til veldig triste ting, bl.a. vold. Ja, jeg har også vært ute om kvelden, og det ser jo ikke ut som folk har det moro heller. Jeg tror at hvis vi får litt mindre fyll, har flere det moro. Så til det som representanten Sjøli fra Høyre var inne på da hun nevnte vanedannende B-preparater: Ja, det er et stort og alvorlig helseproblem, men det er ikke et rusproblem for de aller fleste. Det handler ikke om mennesker som søker rus, men det handler om folk som ønsker å dempe smerte eller et eller annet problem i livet sitt. Så kan det ende opp som et rusproblem til slutt, men for de aller fleste er ikke dette et rusproblem, men et medisinsk problem der du får skader av medikamentbruk over lengre tid. Ofte blir dette også diagnostisert som sykdom, mens det er bivirkninger.

Når det gjelder behovet for flere rehabiliteringsplasser, tror jeg det er åpenbart. Jeg har også i lang tid tatt opp med helseministeren dette med kvaliteten på anbudene, og hva det er vi legger i det. Jeg vet ikke om helseministeren får tid til å svare på det nå, men det er et stort problem hvis noen av de institusjonene som har hatt kvalitetsmessig god behandling kanskje koster litt mer, taper noen av disse anbudene. Det er også veldig viktig at vi skjønner at det tar lang tid å bli ferdig med noe av denne behandlingen, og at det ikke nødvendigvis er mulig å løse noen av disse rehabiliteringsoppgavene i et poliklinisk løp. Jeg vil bare si at jeg stort sett slutter meg til alt det den forrige representanten sa, men at jeg ikke er

psykisk smerte eller annen smerte. Det er litt forskjell på hvilke typer rusmidler en bruker, om en bruker illegale eller legale rusmidler. Poenget er – det var også det Stortinget slo fast i forbindelse med Rusreform II – at det finnes mange veier inn i rusavhengighet. Men konsekvensen av mangeårig rusavhengighet og overdreven bruk av rusmidler, uansett om de er legale eller illegale,

Venstre. En rekke av de andre forslagene fra Venstre er vi ikke imot, men i dag ser vi ikke helt konsekvensene av dem. Vi mener derfor at dette vil være forslag som det er naturlig å vurdere i forbindelse med f.eks. utarbeidelse av en opptrappingsplan for rusfeltet, som vi jo stemmer for her i dag.

at det foregår en systematisk nedbygging av langtidsbehandling. Det foregår stort sett en økning langs hele fjøla. Så er det behov for å få mer kunnskap om hvilken behandling som virker. Jeg hører stadig vekk noen si at denne kunnskapen burde ha ligget i rusmeldingen. Vel, vi er hele tiden nødt til å oppdatere oss på den kunnskapen som er tilgjengelig, og som gjør seg – om det skal være medisinskfaglig, sosialfaglig, om det skal være lang behandling, kort behandling – hvis vi skal

Jeg synes det er et rart system, iallfall i Samhandlingsreformens ånd. Spesialisthelsetjenesten har et ansvar her. Da må de som sitter og tar valg og kjøper plasser – det er jo det som skjer i stor skala – velge mellom kvalitet og økonomi. Vi ønsker å bedre kunnskapen, slik at de valgene blir gode. Jeg har i forbindelse med noen høyt profilerte saker vært veldig tett på dem som sitter og tar disse valgene, hvor noen ikke har fått anbud, er påvist at en ideell organisasjon ikke har fått et oppdrag. Da er resultatet at en annen ideell organisasjon har fått oppdraget. Jeg skjønner at dette er frustrerende for engasjerte mennesker. Men det de som sitter og tar disse avgjørelsene, sier til meg, er at de er nødt til å forholde seg til de kvalitetskravene spesialisthelsetjenesten må legge til grunn. Så får vi debattere dem. Jeg er enig i at det kan hende at noen tjenester er dyrere, og at pris ikke skal være det eneste utslagsgivende. Jeg tror nok at mye kan tale for at tjenester i de ideelle i noen sammenhenger kan være rimeligere, men igjen er det kvaliteten som må avgjøre. Så mener jeg at representanten Sjøli og også representanten Karin Andersen reiser et veldig viktig spørsmål – om man kaller det det ene eller det andre, om det er et rus- eller et avhengighetsproblem, vil jeg ikke ta stilling til – som vi kanskje bør komme tilbake til i denne debatten, og som egentlig understreker at medikamenter og rusmidler som påvirker menneskers liv på en måte man ikke ønsker, iallfall er i stor overflod i vårt samfunn og berører og ødelegger livet til veldig mange mennesker. Det understreker betydningen av forebygging. Jeg synes Fremskrittspartiet, som hadde et 15-minuttersinnlegg, og som var meget ambisiøst når det gjaldt reparasjon, samtidig glimret med sitt fravær når det gjaldt forebygging. Der var det stort sett ganske fritt fram, i alle fall med hensyn til alkohol, som er det største problemet. ikke noen strategi for å komme dette problemet i møte. Jeg tar med meg mange gode innspill – mye godt arbeid – fra denne debatten. Jeg lytter også til opposisjonens markering på sine områder – også de forslagene de fremmer – som nyttige bidrag til vårt arbeid på dette feltet.

Men anbudsperiodene har vært så korte at det over tid har vært umulig å holde et fagmiljø ved like. Man har kanskje hatt for liten kapasitet og for stor usikkerhet, fordi anbudsperiodene ikke er utformet slik at en stiftelse eller en ideell organisasjon kan leve med dem. Men det var ikke dette jeg tok ordet for. Vi er nå på slutten av en stortingsperiode. En ny stortingsrepresentant har en bratt lærekurve i løpet av sin første periode. periode. Den lærdommen som kanskje har slått meg aller sterkest gjennom disse fire årene, er at uansett hvilken vei og hvilken komités arbeidsområde jeg snur meg til, ser jeg at utfordringene vi står overfor, forventningene og kravene til hva det framtidige velferdssamfunnet skal levere, overgår de mulighetene som det vi kaller verdens rikeste land har når det gjelder å levere. Vi kan se det innenfor somatikken og på Vi kan se det innenfor somatikken og på prioriteringsdiskusjonene innenfor helsevesenet. Vi kan se det innenfor barnevernet, der vi øker antall stillinger hvert år. Men antall saker som meldes inn til barnevernet, øker raskere enn vi klarer å bemanne tjenestene. vi klarer å bemanne tjenestene. Vi kan se det innenfor psykisk helsevern, der vi nå har kommet dit at vi tilbyr psykisk helsevern til 5 pst. av landets barn og unge. På mange områder er det vanskelig å identifisere årsakene. Om vi klarer å identifisere årsakene til utfordringene, finnes det ikke nødvendigvis klare tiltak som vi vet virker. I dag diskuterer vi et område som vi vet er årsak en stor del av de utfordringene vi møter innenfor mange sektorer – somatikk, psykisk helse, barnevern osv. Da slår det meg at vi blir litt tekniske i diskusjonen, og at jeg savner et større voksen–barn-perspektiv i en slik diskusjon. Vi har noen politiske tiltak som virker for å begrense tilgang og for å redusere forbruk, redusere misbruk. Men så handler det om hva slags kultur vi som voksne skaper, hva slags kultur vi som politiske ledere bidrar til, hva slags standarder vi setter for hvordan voksne oppfører seg, og hva vi utsetter unger for. Jeg vil gi ros til representantene Hilde Magnusson og Karin Andersen for å holde viktige innlegg på dette området. Det er klart vi kan fortsette å bevilge penger til psykisk helsevern, til barnevern og til andre reparerende tiltak, men før eller senere kommer vi til et punkt der vi kanskje må ta et sterkere oppgjør med våre egne bidrag til en kultur som bidrar til at mennesker lider. Først vil jeg si takk til helseministeren, som ser at det kan være grunn til å debattere fagligheten og kvaliteten i måten vi innretter anbudene på. Det mener jeg er veldig viktig. I prinsippet ønsker ikke SV at vi skal bruke anbud noe særlig, men at vi skal ha samarbeid med frivillig, non-profit sektor, og finne fram til kontraktsformer med dem som sikrer fagligheten og kvaliteten i tilbudet. De har veldig ofte både lang erfaring i og og gode intensjoner når det gjelder å delta i dette arbeidet – for å si det sånn, helseøkonomene har kanskje hatt for mye innflytelse på utformingen av noen av disse anbudskontraktene – så det er jeg veldig glad for. Man kunne si mye om det som representanten for Kristelig Folkeparti var oppe her og sa, og at vi alle har et ansvar for å lage et samfunn der de voksne tar mer ansvar for sine egne måter å omgås rus på. Det er jeg helt enig i, men jeg synes også vi har et veldig stort ansvar når vi skal omtale og innrette politikk for noen av dem som kanskje strever aller mest med sin egen rus, f.eks. sprøytenarkomane. Jeg oppfatter at det er litt mye snakk om skyld, straff og kriminalitet når det egentlig gjelder veldig syke og avhengige mennesker. Jeg har ingen tro på at det hjelper. Sjøl om jeg sjøl har tatt et klart standpunkt, ser jeg at andre mennesker er i en situasjon der det å si at nei, hold deg unna alt, dette er forferdelig og dette er straffbart, ikke har noen funksjon. Derfor trenger vi noe annet. Til slutt debatten om disse vanedannende B-preparatene jeg har vært opptatt av: Jeg vil gjenta: Nei, i utgangspunktet er det ikke ruspolitikk, derfor hører det ikke hjemme her. Det er noen som har overforbruk av f.eks. store doser av smertestillende eller B-preparater. Det jeg snakker om, er terapeutiske doser av vanlige B-preparater som gir bivirkninger som igjen blir diagnostisert som ny psykisk sykdom. Man fortsetter med medisiner, og man blir syk av det. Det kan ende i et rusproblem, i hvert fall hvis nedtrappingen ikke skjer medisinsk forsvarlig.

Først en stemmeforklaring fra Kristelig Folkeparti: Vi stemmer for forslagene nr. 53, nr. 55, nr. 57, nr. 58, nr. 59, nr. 60 – vi er ikke på bingo – nr. 62 og nr. 63 fra Venstre.

så har du aldri, aldri brukt opp sjansen din til å få hjelp for den utfordringen du står i. Du skal bli møtt som den du er, der du er, når du trenger det, om det er første gang, andre gang eller sjuende gang du banker på en dør. Den stolpen har denne innstillingen stadfestet på en god måte, og det tror jeg er et viktig budskap som behandlingsapparatet tar med seg fra dagens innstilling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra finanskomiteen om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av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

Der er komiteen enstemmig. Jeg skal ta litt om historien. Det var VG som hadde oppslag om Daniel på fem år som måtte betale formuesskatt den 18. september i fjor. Da var finansministeren meget kjapt ute med å si at han ville rette opp i skjevheten, og i svar til meg ga han også løfte om at det skulle bli gjeldende fra 2012. Jeg hadde kommet til å berømme også finansministeren for rask saksbehandling, men vi er jo nå omtrent så langt uti året som det er mulig hvis vi skal få gjøre det gjeldende for 2012 – det er en liten kommentar vi har. Men her har det gått raskt, det tror jeg vi alle skal erkjenne. Det gikk kanskje raskt da vi skrev merknaden også. Vi kommenterer jo fra opposisjonens side at vi merker oss at man ikke gjør det gjeldende for andre

Me behandla eit liknande Dokument 8-forslag i desember 2012, og da vedtok me å leggja det ved protokollen. Det var rett og slett fordi departementet allereie var i gang med å behandla og det var sendt ut høyringsforslag. Det høyringsforslaget og lovforslaget me behandlar i dag, går faktisk litt lenger enn det Dokument 8-forslaget gjorde. I lovproposisjonen er uføregrensa fjerna heilt, medan den var redusert til 15 pst. i forslaget. Elleve stykkar har svara på høyringa, og alle som har gjeve kommentarar, støttar forslaget. Saksordføraren nemnte det sjølv heilt på slutten av innlegget sitt, men eg vil berre kommentera den merknaden dei har skrive når det gjeld Lånekassa. Etter gjeldande rett er det unntak for behovsprøving av stipend til studentar i Lånekassa. Etter gjeldande rett er det unntak for behovsprøving av stipend til studentar i høgare utdanning, som medfører at stipendet ikkje vert redusert ved erstatnings- og forsikringsutbetalingar som følgje av personskadar på søkjaren sjølv eller ektefellen. Det unntaket omfattar òg oppreising som er utbetalt etter voldsoffererstatningslova eller

Fortsett på denne måten – vi er glade for alt vi slipper å gjøre i regjeringskontorene, så kom gjerne med flere av den type forslag! Som det har vært nevnt fra talerstolen, er dette et forslag som er ganske identisk med det som ble fremmet i desember 2012, og det er vel kanskje egentlig dobbeltarbeid i og med at vi fremmet dette forslaget mens departementet allerede var i gang med å gjøre endringer, så det er iallfall en enstemmig komité og et enstemmig storting og en enstemmig nasjon som står bak dette. Vi ønsker alle lykke til med fjerning av formuesskatten for den type erstatningsbeløp. Det er vel fortjent for dem som får en slik type erstatning, for de har det vondt allerede. Når Stortinget i dag gjer vedtak, i samsvar med regjeringa sitt forslag og

Gjennom lovendringa som no vart gjort, fjernar vi avgrensingar i lovverket som har ramma urimeleg. Vi fjernar kravet om 50 pst. nedsett funksjonsevne for å koma inn under unntak på formuesskattlegging, og vi innlemmar erstatningar frå ulykkesforsikring eller tilsvarande i skattleggingsfritaket. Det er dette både vi i regjeringspartia og opposisjonen har bedt om. Så registrerer eg at Høgre og Venstre – på tross av einigheita – finn grunn til å beklaga: Saksbehandlinga har teke for lang tid, seier dei, trass i at det ikkje kjem nokon utsetjing av lova si iverksetjing i forhold til dei føresetnadene som alle har lagt til grunn. No må eg seia at saksordføraren frå Høgre tok seg godt inn. Det var nesten som om dei angra på heile merknaden, og det var lurt å seia det på den måten. Det er jo opposisjonen sitt lodd å finna noko å klaga på, men grunnlaget denne gongen er tynt. Det er gode og opplagde rutinar for at eit lovarbeid skal høyrast før det blir fremja for Stortinget. Denne gongen har saksførebuing og høyringsrunder ikkje ført til utsetjing av ikraftsetjing av lovendringane. Vi har faktisk fått det finansministeren tidlegare har lovt oss – varsla i september, sendt på høyring i desember, og som vi alle har sagt oss godt tilfredse med – og så finn opposisjonspartia, med unntak av sjølvsagt ei anledning til å minna oss på at formuesskatten bør fjernast. Lat meg seia det slik: Det er litt spesielt å bruka ei sak om barn og unge sitt fritak for formuesskatt for erstatningar etter alvorleg personskade til å køyra debattar om formuesskatten generelt. For meg er det vanskeleg å sjå at det er nokon som helst rimeleg samanheng

i krisetider, og den

Ja, president,

Presidenten

Arbeiderpartiet har gått

av Fremskrittspartiet forslag nr. 26 fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 45–51 fra Line Henriette Hjemdal på vegne av Kristelig Folkeparti forslag nr. 52 fra Morten Stordalen på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 53–69 fra Borghild Tenden på

sliter